fra representanten Freddy de Ruiter om omsorgspermisjon i tiden fra og med 11. desember til og med 13. desember. fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Morten Wold i dagene 11. og 12. desember for å delta i møte i Europarådets parlamentariske forsamling i Paris. Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget. – Det Fra henholdsvis første vararepresentant for Nordland fylke, Tone-Helen Toften, og fra første og andre vararepresentant for Sør-Trøndelag fylke, Audun Otterstad og Gunn Elin Flakne, foreligger søknader om fritak for å møte i Stortinget under henholdsvis representanten Kjell-Idar Juvik og Eva Kristin Hansens permisjoner, på grunn av sykdom. Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet: Søknadene behandles straks og Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden: For Aust-Agder fylke: Line VenneslandFor Buskerud fylke: Tone Heimdal BrataasFor Nordland fylke: Tor Arne Bell LjunggrenFor Sør-Trøndelag fylke: Ferhat Güven Ferhat Güven er til stede og vil til behandling, vil presidenten foreslå at Stortingets møte i dag avbrytes kl. 11.30 for at representantene skal kunne delta ved utdelingen av Nobels fredspris i Oslo rådhus. Som en følge av dette vil presidenten foreslå at møtet settes igjen kl. 15.30 og fortsetter utover kl. 16.00 til dagens kart er ferdigbehandlet.

Jeg har bare noen få kommentarer fra presidentskapets side, fordi det også har vært en del medieomtale om rekruttering av ny sivilombudsmann. Funksjonstiden for den nåværende sivilombudsmannen, Arne Fliflet, går ut ved årsskiftet, og det er satt i gang en ganske omfattende prosess for å rekruttere en ny sivilombudsmann – eller -kvinne, om dere vil. Vervet er kunngjort, men med de

og i og med at prosessen rundt valget av ny ombudsmann ikke vil være slutt før Stortingets høstsesjon ender 20. desember i år, ber vi om at funksjonstiden for den nåværende ombudsmannen forlenges til 31. mars 2014. Dette skjer i samråd med sivilombudsmannen selv, som også mener det kan være greit

Ingen har bedt om ordet. Presidenten foreslår at vi tar sak nr. 8 opp til behandling. Det er av hensyn til fremdriften på dagens kart. Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til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

da på: Er det

og at taletiden fordeles slik på gruppene: Arbeiderpartiet 20 minutter, Høyre 15 minutter, Fremskrittspartiet 10 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter, Venstre 5 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter og Miljøpartiet De Grønne 5 minutter. I tillegg får medlemmer av regjeringen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

Prop. 1 S fra Stoltenberg-regjeringen, Prop. 1 S Tillegg 1 fra regjeringen, budsjettforliket mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre og flertallsvedtak i komiteen. Ja, en skal være særdeles årvåken for å omtale de forskjellige kapitlene og postene på en korrekt måte og med riktig resultat. Så takk for godt samarbeid! Kulturbudsjettet som nå ligger til behandling, legger grunnlaget for en historisk satsing på og solide overføringer til de forskjellige deler av kulturlivet. Regjeringen har lagt til grunn noen tydelige og grunnleggende prinsipper for sine prioriteringer og endringene i budsjettet for 2014. Jeg er glad for at regjeringen så gir klare signaler om satsing på utdanning på alle felt, og ikke minst at den også innenfor dette feltet er så tydelig på at det må etableres god forskning som kan danne grunnlaget for videre prioriteringer og utvikling. Forskning og utvikling styrkes med hele 17,4 mill. kr i dette budsjettet sammenlignet med 2013. Forskning og evaluering vil kunne gi grunnlag for gode prioriteringer i årene som kommer. Et annet tydelig signal er den gjennomgående tilliten til til deres vilje til å levere spennende innhold og god kvalitet når de bare får mulighet til å utfolde seg uten en rekke politiske instrukser som skal følges for å få tilskudd. Høyre og Fremskrittspartiet har tillit til den enkelte utøver og til organisasjonene. Gjennom å vise dem tillit skal vi inspirere til gode aktiviteter av høy kvalitet. Nettopp kvalitet og innhold er nemlig det denne regjeringen har satt som mål for sine Endringene i kulturpolitikken er kanskje det området i årets budsjett som tydeligst viser den store forskjellen i måte å tenke på mellom tidligere og ny regjering. Der Stoltenberg-regjeringen utelukkende var opptatt av å bevilge mer penger, er regjeringen nå mer opptatt av hva pengene brukes til, og om de treffer. Når de pengene som brukes, utløser flere tilbud, flere brukere av tilbudene og høyere oppmerksomhet om innhold og kvalitet, da har politikken virket etter hensikten. hensikten. Stoltenberg-regjeringens statsråder på kulturfeltet har i flere år hatt en enorm oppmerksomhet omkring budsjettallene og økningen i disse. En gjennomgang av deres taler og utspill viser en tydelig og ensidig oppmerksomhet omkring dette. Selvsagt er det fint med økt satsing, og Høyre har støttet den tanken, men vi trodde jo at det var snakk om en reell økt satsing. Når vi nå har kommet på plass i regjeringskontorene og spør om innholdet i satsingen, viser det seg at det er samlet inn allerede eksisterende poster fra syv andre departementer for å nå målet med det som har vært omtalt som Kulturløftet – og som av representantene fra Arbeiderpartiet fremdeles omtales som det – at 1 pst. skal brukes på kultur innen 2014. Det viser seg altså at 770 mill. kr er hentet Jeg regner med at det er flere enn oss i Høyre som er kraftig skuffet over å finne ut at Kulturløftet rett og slett var «Kulturbløffen». Enger-utvalgets klare konklusjon om at satsingen ikke har skapt økt kulturbruk slik den skulle, men at den heller har skapt nye systemer og økt administrasjon, stemmer jo godt overens med dette. Hvordan skal vi så ta kultursatsingen videre? Jeg er glad for at regjeringen er så tydelig på at det nå må foretas en grundig gjennomgang, sektor for sektor, for å se hvordan tildeling av midler bør skje, og hvilke tiltak eller grupper som skal prioriteres først. Vilje og evne til å prioritere er en viktig egenskap hos en regjering. Regjeringen viser handlekraft i så henseende. Det trengs ny politikk for å nå denne regjeringens mål om økt aktivitet, økt kvalitet og økt bruk av Folkebibliotekene har fått et kraftig løft ved at regjeringen legger inn ytterligere 12,1 mill. kr til videreutvikling av disse som møteplass og debattarena. Å få flere besøkende til bibliotekene, på forskjellige aktiviteter, vil også være et godt virkemiddel for å øke interessen for og kjennskapen til biblioteket som formidler av litteratur og fagkunnskap. Etter tilbakemeldingene å dømme inspirerer satsingen til utvikling av nye spennende tilbud, og jeg har stor tro på at vi har truffet godt med denne målrettede prioriteringen. I denne sammenhengen er det også viktig å merke seg flertallsinnstillingen fra komiteen, som gir støtte til litteraturhuset i Fredrikstad med 0,5 mill. kr, i tillegg til den satsingen som allerede ligger inne på litteraturhusene i Et nytt og spennende grep i dette budsjettet er den nye gaveforsterkningsordningen som etableres med 10 mill. kr. Ordningen vil gi inspirasjon til næringsliv og private som kan tenke seg å støtte, og som gjennom denne ordningen kan få økt sin gave med 25 pst. På denne måten vil gaveforsterkningsordningen kunne føre til 50 mill. kr til kultursatsing, hovedsakelig basert på økt privat kapital inn i sektoren. Ordningen er i dette budsjettet øremerket kunstinnkjøp til nasjonale og regionale kunstmuseer samt pengegaver for å sette i stand norske museumsanlegg. Regjeringen ser dette som en målrettet og god ordning for å stimulere til økt støtte til kulturlivet fra private og vil vurdere å utvide ordningen til å gjelde andre områder i kommende budsjetter. Noen har prøvd å antyde at denne regjeringen ikke satser på korsang. De har ikke lest budsjettet nøye. budsjettet nøye. Budsjettet inneholder nettopp satsing på kor, ikke minst rekruttering til korvirksomhet, bl.a. gjennom satsingen på Krafttak for sang. Regjeringen har i tillegg sett det som viktig å skape forutsigbarhet for de profesjonelle korene gjennom å gi dem økte tilskudd og fast plass i budsjettet. Jeg er også glad for at flertallet i komiteen, i samråd med Venstre, har funnet penger til støtte for både Folkemusikk Nord og Midtnorsk senter for folkemusikk og folkedans. Idretten, det sivile samfunnets største bevegelse, når mange med gode opplevelser blant både utøvere og publikum. Breddeidretten er også en betydelig medhjelper i folkehelsearbeidet, og det må kunne sies at idretten totalt sett er en En av de store utfordringene for idretten er mangelen på gode og oppdaterte anlegg. Jeg er derfor veldig glad for at merverdiavgiftskompensasjonen fortsetter, og den vil være et godt bidrag til å få ytterligere anlegg på plass. Høyre har alltid vært en forkjemper for frivilligheten. Den enorme frivillige innsatsen som gjøres her i landet, er umulig at den i mange kommuner og tettsteder er helt avgjørende for det gode liv, for livskvalitet og folkehelse. Frivilligheten danner også mange steder grunnlaget for desentral beredskap og hjelp av forskjellig slag når kriser oppstår. Frivilligheten er selve limet i ethvert lokalsamfunn og må verdsettes deretter. Regjeringen vil forenkle byråkratiet for frivilligheten og ellers gi den rammebetingelser som gjør den i stand til å konsentrere seg om interessen

De årene forteller om liten handlekraft, regnskapsmessige flyttinger for å få til et kulturløft og total mangel på oppmerksomhet omkring treffsikkerheten i politikken. Det budsjettet vi behandler i dag, gir sektoren en solid økning på godt over 6 pst. – ja, nærmere 7 pst. Det er en historisk bruk av penger på kulturfeltet. Det er vi stolte av, og vi gleder oss til å ta fatt på videre prioriteringer og politikkutvikling

Derfor er det så viktig at kulturen når ut til alle uavhengig av sosial bakgrunn, økonomi og geografi. Vår tid trenger et almennkulturelt fellesskap bygd på felles innsikt, verdier, referanser og symboler, som er viktige forutsetninger for et fungerende demokrati. Et engasjement i en felles virkelighet er i realiteten det viktigste våpenet i kampen mot intoleranse og likegyldighet. I denne sammenhengen kan kunsten fungere som et verdifullt kritisk korrektiv og som et vern mot vanetenkning og samfunnsmessig stagnasjon. Mye tyder på at framtidens sosiale skiller ikke først og fremst bestemmes av den enkeltes økonomiske arv, men også av den kulturelle kapitalen hun eller han får med seg i oppveksten. Kulturløftet var en ambisjon om å styrke det profesjonelle kulturlivet, bygge opp frivilligheten og gjøre kulturen tilgjengelig for alle. Åtte år med satsing på kulturfeltet og et tydelig mål om at 1 pst. av statsbudsjettet skulle brukes til kultur, erstattes nå av et mantra om mer mangfold og frihet. Hva betyr det? I hvilken retning ønsker den nye regjeringen å ta kulturlivet? I mange år har det blitt jobbet godt med tradisjonelt mangfoldsarbeid i Kulturdepartementet, i Kulturrådet og i de og det ble lagt fram en stortingsmelding i 2011 om kultur, inkludering og deltaking, hvor nettopp mangfold var sentralt. Mangfold handler om å få fram ideer, tanker og holdninger, om deltaking på tvers av sosiale og kulturelle skillelinjer. Jeg antar at dette også er den nye regjeringens ønske når de fremmer Men blir det mer mangfold av å kutte i bevilgningene til det frie feltet, redusere antall stipender, sånn som regjeringen foreslo, kutte i tildelingen til Kulturrådet, som hvert år behandler mellom 7 000 og 8 000 søknader fra grasrota, søknader som viser at det er et mangfold av ute? Blir det mer mangfold av å kutte kulturskoletimen som gir alle barn muligheten til å prøve forskjellige kulturuttrykk, og til å lære om dem? Hvordan blir det mer mangfold av å kutte i pressestøtten? Hvordan plasseres det som jeg kaller et smålig kutt til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, inn i definisjonen av mangfold?

lisensordninger for nye spill og rammebetingelsene for det som gjelder pengespill i Norge. Også i innstillingen til budsjett ber flertallspartiene om at det etableres en lisensordning for spill i Norge. I innstillingen, som ble behandlet i går, sto det at den skulle finansiere kultur og humanitære virksomheter.

Verken sponsor- eller lotterimarkedet er noen Sareptas krukke, og noen vil måtte tape. Ja, det blir en ny retning i kulturpolitikken: Kulturløftet avlyses, mindre bevilgninger gir ikke mer mangfold, og tanken om at næringsliv og lotterivirksomhet skal ta en større del av finansieringen, betyr usikkerhet og mindre frihet. Kulturløftet var ingen bløff, og vi vil gjerne videreføre det. Derfor har Arbeiderpartiet sammen med Senterpartiet og SV lagt fram et forslag i salen om at Kulturløftet også skal legges til grunn for finansieringen av kulturfeltet i framtiden. Jeg tar med dette opp forslaget. Da har representanten Rigmor Aasrud tatt opp til. Kulturpolitikken skal bidra til å gi mennesker muligheter til å delta i og oppleve et mangfoldig kulturliv. Nå har vi tidenes største satsing på kultur, med en økning på 6,8 pst. i forhold til Stoltenberg-regjeringens kulturbudsjett for 2013 – ja, dette er et løft. Mange i salen vil sikkert si: Ja – og så med Denne regjeringen vil stimulere til vekst nedenfra framfor å styre ovenfra. Som vi så med den tidligere regjeringen, har man hatt lyst til å styre ovenfra. Man har hatt lyst til at Kulturrådet i Oslo skulle styre kulturmidlene rundt omkring i landet. Norge bør også ha et profesjonelt kulturliv som holder internasjonal standard. standard. En opplevelse av vår felles kulturarv styrker identitetsfølelsen og tilhørigheten til fellesskapet vi har i Norge. Vi bør ha kunnskap om egen kultur, noe som gir trygghet og gode forutsetninger i Norge. Denne regjeringen vil sikre barn og unges mulighet til gode kulturopplevelser som ikke styres fra Oslo, men som styres rundt omkring i landet. landet. Vi vil bl.a. satse på områder som korps og Ungdommens Kulturmønstring, og vi vil forberede bibliotekene på en digital hverdag. Det sa også den tidligere regjeringen, i form av Kulturløftet 3, men hvis man leser Kulturløftet 3, finner man ikke hvor det står. Man finner ikke bevilgningene, og man ser ikke fotavtrykk rundt Vi ønsker – og det skal det ikke være noen tvil om – å sikre fortsatt gratis utlån av litteratur. Vi ønsker å føre en litteraturpolitikk der viktige målsetninger er å ivareta norsk språk og litteratur ved at det legges til rette for en framvekst av nye forfatterskap, og ikke minst tilgjengelighet for leseren. Som det vil være kjent for de fleste i salen, har vi reversert bokloven. Det som er viktig, er å beskytte åndsverket. Vi vil sikre en sterkere beskyttelse av åndsverket. Vi vil legge til rette for unge talenter, som skal få anledning til faglig utvikling, uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn, gjennom kulturskolen – der også samarbeidet med frivillig sektor bør bli større. Nå skal vi se framover, og vi skal gjøre det nedenfra. Vi vil legge til rette for norsk og internasjonal filmproduksjon i Norge, og styrke det privatfinansierte kulturlivet som vi ser mye av i utlandet, gjennom f.eks. gaveforsterkningsordninger og bedre tilrettelegging for private fond og stiftelser. gjennomgå bevilgningene på kulturfeltet for å sikre fornuftig ressursbruk og kvalitet er en selvfølge for denne regjeringen. Det er også viktig at vi utarbeider en plan for rehabilitering og vedlikehold av nasjonale kulturinstitusjoner. Vi har sett de siste årene at de har stått og forfalt, og det er et stort forfall rundt omkring i hele landet. landet. Frivilligheten er en viktig arena for samarbeid og har bidratt til å skape det samfunnet vi har i dag. Frivilligheten skal vokse fram nedenfra og bli friere fra politisk styring – noe som har vært et viktig mantra for denne regjeringen. Frivilligheten skal ha en selvstendig stilling i samfunnet. Denne regjeringen vil legge om den statlige støtten til frivilligheten i takt med utviklingen, og da tenker vi at alt skal ikke styres fra departementet eller Oslo. Fradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner må styrkes, og ikke minst må byråkratiet overfor frivillige organisasjoner reduseres. Er det en tilbakemelding vi får fra frivillige organisasjoner, så er det at det er et utrolig byråkrati der ute. Vi ønsker å gjennomgå de økonomiske rammebetingelsene for frivillig virksomhet for å sikre at en reduserer byråkrati og politisering, heve grensen for lønnsoppgaveplikt og arbeidsgiveravgiftsplikt for frivillige organisasjoner og øke inntektsmulighetene ved bl.a. å øke gavefradraget til frivilligheten.

til. Det offentlige har en viktig rolle. Derfor har Kristelig Folkeparti støttet de økte bevilgningene de siste årene. Vi mener det er viktig. Staten har et ansvar for å sikre gode rammevilkår for kulturlivet. Det nye flertallet står for en kulturpolitikk der det skal legges til rette for flere finansieringskilder. Men samtidig er det svært viktig at man ikke skjærer ned på offentlige bevilgninger, i hvert fall ikke før man kan godtgjøre at private midler er på plass. Derfor er jeg glad for at hele komiteen skriver i innstillingen at «sponsing av kulturtiltak skal komme i tillegg til, og ikke i stedet for offentlig støtte». Det er en spesiell situasjon i år – med regjeringsskifte og en tilleggsproposisjon. Jeg er glad for at vi fikk på plass ekstra midler innenfor scenekunst. Vi fikk på plass igjen kunstnerstipendene. Det var viktig for Kristelig Folkeparti. Det samme gjaldt produksjonsstøtten, som blir videreført på

at hovedregelen om kompensasjon for lønns- og prisveksten ligger fast. NRK må sikres forutsigbare rammevilkår. Kormusikken har vært en sentral del av Norges kultur de siste 200 årene. Denne delen av kulturarven må forvaltes godt, og den må videreutvikles. Nå har vi fått på plass en bedre finansiering av Det Norske Solistkor og KorVest. Vi skal også få på plass en helhetlig strategi for utvikling av kor Vi skal også få på plass en helhetlig strategi for utvikling av kor på høyt nivå i Norge. Kristelig Folkeparti ser spesielt fram til å ta fatt på arbeidet med å utvikle et profesjonelt radiokor i tilknytning til NRK. Det har stått på blokka vår veldig lenge. Så over til saken om Norsk kulturråd. Kristelig Folkeparti vil gjerne være med på å gi kulturlivet større frihet.

Vi skal gi kulturlivet frihet, men da må vi samtidig ha muligheten til å løfte de miljøene, sjangrene og organisasjonene som ikke blir hørt, eller som ikke når igjennom byråkratiet. Det kalles en aktiv og ambisiøs kulturpolitikk. Fullmakten som foreslås, flytter makt ut fra folkevalgte organer. Det er en fullmakt som Kristelig Folkeparti ikke vil gi. I tillegg blir jeg bekymret når regjeringen skriver at Kulturrådet skal vurdere bevilgningene, bl.a. på bakgrunn av «søknadsmengden» på de ulike områdene. Over en viss tid kan dette bety at de tiltakene som har flest søknader, blir oppjustert, mens de med færrest ressurser taper i konkurransen. Dette er en av grunnene til at vi stemmer imot forslag til

Senterpartiet gikk til valg på å styrke den kulturelle grunnmuren lokalt ved å videreutvikle kulturtilbudene der menneskene bor og lever sine liv. Vi trenger et lokalt kulturløft! Vi ønsker et løft for folkebiblioteket, kulturskolene, de lokale museene, korene, korpsene og andre frivillige lokale aktiviteter. Senterpartiet mener vi må ha et sterkere samarbeid med frivillige organisasjoner for best mulig Skal en få til et løft, må det både samarbeid og økonomi til. Det er med skuffelse vi i dag kan fastslå at målet om å bruke 1 pst. til kultur ikke følges opp av den blå-blå regjeringa. Bortforklaringene er interessante å høre på, men det var akkurat dette vi advarte mot. Det må være skuffende for en kulturstatsråd å måtte være den som skal forsvare kutt i et forventet kulturløft for de mange, for å innfri skattelettelser for noen få. Vi advarte mot at en blå-blå regjering under Fremskrittspartiets innflytelse ville sette en stopper for det løftet som den rød-grønne regjeringa har gitt kulturlivet, og som vi ønsket å løfte videre. Dessverre fikk vi rett. Det er vel ikke særlig overraskende for oss, men like fullt er det skuffende at regjeringa har valgt å foreslå betydelige kutt som rammer det frie feltet. Kutt i pressestøtten har vært varslet, en støtte som bidrar til at vi har noe mer mangfold – og ikke bare enfold – blant Det omprioriteres og kuttes også når det gjelder de som mottar tilskudd fra Kulturrådet. For første gang skal Fremskrittspartiet stemme for NRK-lisens, dog en noe lavere, men også her skal markedet inn og styre. Det er markedet som nå skal bestemme – slik tenker denne regjeringa på de fleste områder. Det er opplagt at dette budsjettet vil merkes i kulturlivet framover. Ikke minst mener vi det vil kunne ramme sentrale områder der en kanskje ikke har sterke medfinansiører. Kulturens egenverdi er udiskutabel. Men én krone inn gir mangfoldige igjen. Det er udiskutabelt at det å spille i korps har en egenverdi, men et 17. mai-tog med korps har en verdi for svært mange flere – og det uten at vi tjener penger på det. I tillegg har deler av kulturlivet næringsverdi rent økonomisk. Men som oftest har de det i symbiose med offentlig støtte, offentlig grunnlag. Det er flott med en gaveforsterkningsordning, men en risikerer en enda sterkere skjevfordeling mellom de delene av landet som ikke har sterke økonomiske støttespillere. Er det dette Høyre mener med «nye ideer og bedre 1øsninger»? Framtidas ypperste utøvere rekrutteres fra det brede og ofte lokale kulturlivet. Derfor er det avgjørende – for å få fram både gode og kulturaktivitet med næringspotensial – at det satses på kultur i alt sitt mangfold og i all sin bredde. Å starte regjeringsperioden med å kutte i kulturskoletimer høres ut som verken en god ide eller en bra løsning – men en sparer selvsagt penger. Alle forskere vektlegger behovet for grunnforskning. En vet ikke riktig hva som kan komme ut av det en forsker på og slett ikke alt er nyttig viten – men vi vet at det er et potensial for at ny kunnskap på sikt kan gi oss nøkkelen til hittil uløste gåter. Det kan gi ny viten og innovasjon. Slik er det også med bredde i kulturlivet. Senterpartiet ønsker seg et sterkt lokalt kulturliv og en sterk frivillig sektor. Vi mener det er på tide at vi forsterker grunnmuren. vi forsterker grunnmuren. Vi har tatt viktige og riktige grep ved å bygge storslåtte bygg for den nasjonale kulturelle scene. Vi har bygd opera i Oslo, og vi har vedtatt bygging av et nytt nasjonalmuseum. Byene skal naturlig huse nasjonale bygg av en slik størrelse. Det kan likevel ikke forklare dreiinga i bruken av kulturmidler. Den har vært rimelig skjev – hvis en ser Oslo opp mot andre deler av landet. Vi frykter at den blir sterkere med det forslaget som nå ligger til avstemning. avstemning. Et levende land og attraktive lokalsamfunn handler ikke bare om tomter i solhellinga, mulighet for arbeid og gode skoler. Folk vil ha aktiviteter og opplevelser. Kulturtilbud og kulturaktiviteter er livsnødvendig for å skape livskraftige lokalsamfunn. Det er vår jobb å bidra til dette med offentlig støtte, som representanten Bekkevold så ypperlig sa. Å starte regjeringsperioden med kutt i virkemidler som skal skape livskraftige lokalsamfunn også innenfor kulturfeltet, er et varsko til lokalsamfunn over hele landet. Nye ideer gir ikke alltid bedre løsninger.

Vi hadde en mye større satsing på bibliotek, og vi hadde en mye større satsing på museer. Som Enger-utvalget konkluderte, har Kulturløftet gitt mye større administrasjon, mye større innsprøyting i allerede gamle systemer og store institusjoner, mens bunnplanken i norsk kulturliv fortsatt er svekket. Og når man snakker om å ha hatt et kulturløft som skal være til de flere, og ikke til noen få, så har ikke det vært så vellykket. Det må vi innrømme, det ser sjøl senterpartipolitikeren Anne Enger. Utfordringa nå handler om å bygge Kultur-Norge videre, men også å sørge for at bunnplankene i det norske kulturliv blir styrket framover. Det er bibliotek, det er museum, det er det som var i Venstres alternative budsjett. Jeg var forundret da regjeringas forslag kom i bordet, for det var mye pent. Det sto ikke mye om kultur i regjeringserklæringa, men det som sto, var jeg ganske enig i, spesielt satsinga på det frie feltet. Når man da går inn og kutter i kunstnerstipend og det frie feltet, så henger ikke det sammen. Da skal regjeringa være sjeleglad for at de har Venstre og Kristelig Folkeparti for å komme seg på riktig kurs igjen. så henger ikke det sammen. Da skal regjeringa være sjeleglad for at de har Venstre og Kristelig Folkeparti for å komme seg på riktig kurs igjen. Jeg er kjempeglad for å ha en regjering som endelig gjennomfører det forslaget Venstre har fått stemt ned i åtte år i denne sal, nemlig å innføre et gaveforsterkningssystem innenfor kulturlivet også. Det er ikke riktig som Anne Tingelstad Wøien sier, at det vil få en geografisk slagside. Hvis man ser på hvem det er som mobiliserer gaver til utstillingene sine, til museene sine, så

og humanitære organisasjoner. Vi i Venstre er også positive til det forliket vi har fått til på pressestøtten, som er helt likt Venstres programformulering. Det regner vi med at vi også har fått gjennomslag for framover, når vi skal se på hvordan det systemet skal utvikles videre for å styrke ytringsfriheten og bredden i Norge. Jeg vil utfordre statsråden på frivillighet, som jeg ikke syns hun svarer kjempegodt på i Aftenposten i dag. Det er en stor jobb å gjøre å få ned byråkratiet for frivillige organisasjoner. Soria Moria I var kjempebra i formuleringene på det, men det skjedde ingenting. Jeg skjønner at dette er en jobb å gjøre for Kulturdepartementet, men jeg håper at statsråden fokuserer på det, for her trenger man å rydde opp når det gjelder frivillighetsregisteret og alle mulige regler. For alle oss som driver frivillige organisasjoner som heter politiske parti,

Men jeg vil ramme det veldig klart inn her: Dette gjør vi bare denne ene gangen, og vi gjør det bare fordi man må sikre flerårige prosjekter tilskuddene sine. Da forventer jeg at regjeringa også forholder seg til det som et mandat fra Stortinget.

vi skal satse på bibliotekene framover og hvilken rolle litteraturhusene skal ha i den sammenhengen. Jeg er glad for at vi fikk Fredrikstad inn i budsjettprosessen, men vi må ha en helhetlig litteraturpolitikk som handler om tilgangen til folk flest, og også om muligheter for å styrke variasjon og nytenking på feltet.

feltet. Eg la merke til at statsråden i sin «store linjer»-tale i Bergen veldig tidleg i talen sa «Vi ønsker motstand, kritikk og direkte tale.» Sidan ho ikkje fekk så mykje med seg frå budsjettkonferansen til regjeringa, skal ho få det. Det synest eg ho fortener, både

opp i «Premier League» frå divisjonen under og gjorde det til eit tungt politisk felt. Det var den første store fellessatsinga til dei raud-grøne – før vi danna regjering – å få det på plass. Det er det første merkbare kuttet til den nye regjeringa, å få det vekk. Punkt to: Fordi det har skapt meir aktivitet og meir kvalitet på mange felt,

inne i Kulturløftet, med mindre ein har den forståinga av kultur at kultur er det som til ein kvar tid er på budsjettpostane til Kulturdepartementet. Men det er det ikkje. Kultur er breitt og viktig i samfunnet. Det som er utanfor budsjettpostane til Kulturdepartementet, bør definitivt vere ein del av Kulturløftet. Når representanten Harberg skryt av ei stor satsing på folkebiblioteka på 12 mill. kr, men kallar milliardar til Kulturløftet for ein bløff, då er det ingen

med lesing utanfor skulen. Eg skal komme tilbake igjen til det i eit eige innlegg seinare. Dei varsla ein stor fridomsreform. Eg gler meg til den debatten. Eg trur det kan vere spennande og viktige ting å hente i å avgrense byråkrati, forenkle og gi meir tillit til kunstnarar ute. Men eit fridomsomgrep som berre ser på korleis ein skal ta vekk styring, tradisjonen for eit lite hundreår sidan. Det førre hundreårets viktigaste liberale filosofar, John Rawls, Jürgen Habermas og andre, er opptatt av at fridom ikkje kan vere noko som nokon skal ha på kostnad av andre, men må vere alle sin rett til fridom. Derfor er fridom òg ein rett den einskilde skal ha overfor staten og marknaden, men det er òg fellesskap som skal fordele og sikre alle

til å hente fram alle hordane av menneske som oppfattar at Kulturløftet tok frå kunstnarar og kulturarbeidarar i Noreg fridom, eller at vi som er brukarar av kultur vart fråtatt fridomen vår gjennom Kulturløftet. Eg har til gode å møte dei! Vi i SV vil no satse på, i budsjetta våre og i arbeidet vårt, å vidareutvikle grunnmuren, som mange har vore inne på, og å vidareutvikle grunnmuren, som mange har vore inne på, og setje opp ein kunst- og kunstnarpolitikk. Kulturløftet I og II har ikkje i tilstrekkeleg grad klart å vidareutvikle og skape ein god kunst- og kunstnarpolitikk som tar tak i kunstnarars levekår, og heller ikkje korleis vi skal møte digitaliseringa, som er ei stor, vanskeleg og felles utfordring vi har. Det som må liggje i botn for alle satsingar på kvalitet, mangfold og fridom, er nemlig at kvalitet kostar. Fridom, mangfold og kvalitet må ikkje bli store ord som

refererte til. Jeg er veldig glad for at regjeringen gjennom forhandlinger med våre samarbeidspartnere i Stortinget, Venstre og Kristelig Folkeparti, får støtte til å vedta tidenes største satsing på kultur med en økning på 656 mill. kr eller 6,8 pst. i forhold til Stoltenbergs budsjett for 2013. Kulturpolitikken rører ved vår alles hverdag. Den skal bidra til at alle mennesker har mulighet til å oppleve å delta i felles kulturelle opplevelser. Det er derimot ikke slik at alle trenger å ta i bruk de samme tilbudene. Kulturens mål er ikke å dyrke likheten, men å berike oss med ulike inntrykk og innfallsvinkler. En kulturopplevelse gir oss innsikt, så vel som utsikt, uavhengig av opplevelsens rammer. Den stiller de spørsmålene vi ikke spør oss selv, og den utforsker vårt samfunn med et kritisk blikk. Kort og godt er det gjennom kunsten og kulturen vi lærer oss selv å kjenne og verden vi lever i. Regjeringen ønsker et rikt kulturliv som skaper rom for debatt og kritikk, og som bidrar til å skape møteplasser for folk på tvers av ulike utgangspunkt. Vi skal satse på kulturen, men det handler om noe mer enn penger på offentlige budsjetter. Det handler om å peke ut en retning, legge forholdene til rette for fri utøvelse, og sørge for at pengene går dit de trengs mest. Det overordnede målet er høyere kvalitet og økt oppmerksomhet om innhold fra aktørene. Kulturen skal styres av aktørene selv, ikke gjennom detaljerte bevilgningsbrev fylt med krav om ikke-kulturelle mål. Regjeringen vil jobbe for et enda mer selvstendig kulturliv, som bidrar til å fylle våre liv med mening og innhold, og som skaper refleksjon og debatt om verdispørsmål. Regjeringen vil legge forholdene til rette for at det kommer mer private midler inn i kulturlivet. Det vil gi større frihet og handlingsrom. Men det flytter også makten vekk fra sentrale råd og utvalg til den enkelte aktøren selv. Derfor har vi foreslått en gaveforsterkningsordning på Ordningen er spisset mot gaver til kunstinnkjøp ved nasjonale og regionale kunstmuseer og istandsetting av museumsanlegg. På den måten vil staten toppe private pengegaver med 25 pst. Dersom hele ordningen brukes, vil kultursektoren kunne bli tilført 50 mill. kr ekstra i 2014. Jeg er veldig glad for at et flertall i komiteen er enige med Folkebibliotekene er en viktig del av den kulturelle grunnmuren, og kanskje den best besøkte kulturarenaen vi har. Regjeringen vil i 2014-budsjettet stimulere folkebibliotekene til å bli et sosialt treffsted for faglig og litterært påfyll, debatt og samfunnskritikk. Bibliotekene er terskelløse, de er gratis og vi har stor tro på Regjeringen ønsker også å legge til rette for flere visninger av frie scenekunstproduksjoner. Derfor styrker vi de programmerende scenene i Bergen Oslo og Trondheim, samt Nordic Black Theatre. På denne måten bidrar vi til å dyrke fram regionale kraftsentre på scenekunstfeltet. Vi vil også samtidig stimulere framveksten av nye norske forfatterstemmer som skriver for scenen, og vi øker derfor tilskuddet til Dramatikkens hus. Med dette budsjettet vil også flere frie scenekunstkompanier få en langsiktig finansiering av virksomheten sin, nettopp fordi regjeringen vil prioritere basisfinansiering for slike kompanier. Vi vet faktisk ikke nok om hva de siste års kulturbevilgninger har ført til av ny kunst og kultur. Enger-utvalget, som det ble nevnt her også i dag, påpeker at mye har gått med til bygninger og administrasjon. Resultatene når det gjelder kunsten selv og i hvilken grad den når publikum, ja, det er faktisk uklart. Derfor ønsker regjeringen å bruke mer penger til forskning og utvikling på Kulturdepartementets område, med 17,4 mill. kr for 2014-budsjettet. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen har et mer offensivt syn på frivilligheten enn det Stoltenberg-regjeringen hadde. Vi ser ikke på frivilligheten bare som et supplement til det offentlige, men selve den sektoren som skaper og bygger et samfunn. Frivillig arbeid danner nemlig det lappeteppet av relasjoner som binder mennesker sammen og gir livet mening. Jeg føler det vil være store muligheter i årene framover til å styrke det frivillige kulturlivet, og mange av de spennende områdene innenfor kultursektoren over det ganske land. Vi er villige til å fokusere på innovasjon overfor de nye mediene, og jeg kjenner det veldig sterkt at å debattere innholdet i våre liv, er svært meningsfullt. Jeg har gledet meg over de siste ukers kulturdebatt i mediene. Jeg håper også dagens debatt vil være med på å bidra til det. Det blir replikkordskifte. I sin innledning var statsråden opptatt av frivillighet. Det er

spill. I går ble jeg korrigert av Høyres hovedtalsperson med at kultur også omfatter idrett. Da er mitt spørsmål til statsråden: Vil statsråden, når regjeringen åpner for nye spill, sikre at norsk idrett har den samme inntektsfordelingen fra nye spill som de har fra Norsk Tipping i

Kulturskoletimen ble således ofret. Ser ministeren ulemper med å redusere alle barns muligheter til å stifte bekjentskap med kultur gjennom kulturskolen, som i år feirer 40 år? Kulturministeren er svært glad for at vi har en oppegående

Det er altså tidenes største kulturbudsjett, det er veldig mange store satsinger, som også vil komme barn og unge til gode, og ikke minst har denne regjeringen løftet fram musikkfeltet med andre typer tiltak som f.eks. med kor. Så jeg føler meg rimelig trygg på at vi også skal være med å bidra til å opprettholde et høyt nivå for barn som er interessert i musikk, også i årene som kommer.

som vil være en kulturnasjon, ikke greier å fylle huset med kunstnerisk innhold som, for å sitere komitéinnstillingen: «er i tråd med det en kan forvente av et opera- og balletthus på høyt internasjonal nivå». Hva skal være statsrådens bidrag for å fylle den kulturelle infrastrukturen med innhold av høy høy kvalitet? Først og fremst er det veldig viktig for meg å understreke at denne regjeringen også har en stor ambisjon om å holde et høyt offentlig nivå på de midlene som skal brukes, i årene som kommer. Det er nettopp fordi vi ser at det er behov for det. Når det gjelder punktet i Sundvolden-erklæringen, er det veldig klart at regjeringen vil gjennomføre en frihetsreform i kulturpolitikken. Denne reformen mener vi skal være med på å skape en større maktspredning, en høyere kvalitet og, ikke minst, en bredere finansiering av kulturlivet. Når det gjelder operaen, føler jeg meg trygg på at den har et høyt aktivitetsnivå og et godt faglig innhold. For meg er det like viktig at også kulturhus og scener over det ganske land fylles med kvalitativt høye mål i årene som

Så det jeg lurer på nå – med en ny gaveforsterkningsordning og når det er Kulturrådet som nå skal få lov til å prioritere – er om statsråden kan garantere at det ikke blir en skjevfordeling, slik representanten Skei Grande gjorde. Når det gjelder gaveforsterkningsordningen, er det et bidrag for at vi skal kunne klare å få utløst mer økonomiske midler i årene som kommer. Vi har altså tro på at det finnes et potensial der ute for faktisk å få utløst privatkapital, og det er heller ikke slik at det ikke er privatkapital som brukes på det kulturelle feltet i dag. Det er faktisk veldig mye. Alle steder der jeg er ute og reiser i landet, fortelles det om at man har fått private gaver, både til museer, symfoniorkestre og til å være med på å bygge det som egentlig trengs. Så jeg føler meg rimelig trygg på at det kommer til å bli en god fordeling også når det gjelder denne gaveforsterkningsordningen som kommer. Dette er et bidrag. Der det utløses private midler, vil altså staten gå inn og matche det. Oslofolk er

for det står mye bra der om hvordan man skal få ned byråkratiet for frivillige organisasjoner. Men det gikk i skikkelig gal retning. Så det må gjøres noe med måten man organiserer frivillighetsregisteret på. Statsråden kan da lese både Venstres, Høyres og Kristelig Folkepartis merknader i tidligere behandlinger og i tidligere behandlinger og få gode tips. Så spørsmålet mitt er om statsråden er villig til å gjøre den store jobben det er, med å få ned byråkratiet for frivillige organisasjoner og skjønner hvordan man skal rekruttere flere frivillige, gjennom at de får fokusere på det de har lyst til å jobbe med, nemlig grunnen til at de har meldt seg inn i organisasjonen: aktiviteten.
Jeg er veldig glad for at regjeringen og våre samarbeidspartnere faktisk har en litt annen ideologisk tilnærming til hvor viktig frivilligheten er i vårt samfunn. Derfor vil vi gjøre alt vi kan for å kunne klare å være med på å bidra til at vi får mer ut av de midlene som gis til frivilligheten, og at de frivillige får et enklere regelverk å forholde seg til. Senest i går samarbeidet jeg med både miljøvernministeren og helseministeren om hvordan vi kan være med

framover. Så kan jeg bekrefte at jeg har fått med meg at det er et engangsforslag til dette med romertallsvedtaket når det gjelder den muligheten overfor Kulturrådet.
mange hundre millionar som andre har jobba fram i budsjettet hennar. Og eg håpar ho får anledning til å glede seg over pengar ho sjølv har jobba fram, på same måte og til glede for oss alle neste haust. Eg legg merke til at både statsråden og andre her i salen legg vekt på den enorme forskjellen i tenking frå den førre regjeringa til den nye regjeringa. Eg argumenterte i mitt innlegg for at eg meiner at òg Kulturløftet har bidratt til meir fridom for fleire. Det er mi oppfatning at det òg har vore med på å bidra til meir mangfald fordi mange kulturuttrykk som ikkje overlev i marknaden, gjennom det kjem fram Men eg kunne tenke meg å høyre på kva for måte statsråden meiner den raud-grøne kulturpolitikken og Kulturløftet har avgrensa fridom og mangfald i kulturlivet. Jeg kan fortelle at statsråden er veldig glad for hver krone vi kan klare å få brukt til kulturbudsjettet, og for meg er en krone en krone, enten det er SV som fremmer den, eller det er Jeg er faktisk veldig stolt over dette budsjettet – ikke bare over det bidraget regjeringen kom til Stortinget med. Jeg er også klar over at når man er i mindretallsregjering, må man gå i forhandlinger, og jeg er veldig glad for at det har resultert i at dette budsjettet har blitt styrket for kulturlivet. Når det gjelder representantens spørsmål om hvordan jeg mener det har begrenset friheten, ser jeg det i form at de tildelingsbrevene som bl.a. har gått til Kulturrådet, hvor man har prøvd å pålegge sterke krav, som jeg mener ikke er kulturfaglige krav, som man har lagt inn. Det er et veldig godt eksempel på hvordan vi ikke ønsker å gjøre det i framtiden. Jeg ønsker også å fokusere mer på den lokale aktiviteten og mener at det er et bredt mangfold av tilbud som finnes der ute, og det er den kulturelle grunnmuren som i årene framover må styrkes.

og erkjent at det er viktig å satse på god kultur, og ikke minst på et kulturtilbud over hele landet. Det det har bidratt til, er jo først og fremst at alle de gode kreftene, som fra før gjorde en god jobb, har fått både muligheten til å bli sett og støtte til å kunne blomstre videre. Det har også bidratt til en vesentlig kvalitetsheving ved mange av institusjonene våre. Og jeg vil si at det har bidratt til å bevege Norge i en mer sosialdemokratisk retning, gjennom at man har større muligheter til økt personlig frihet, gjennom at flere får muligheten til å oppleve god kultur, gjennom at flere får muligheten til å delta i kultur, og gjennom at dette ikke bare skjer i de store byene, men at det også skjer over hele landet. Når jeg hører på Svein Harberg og representanter fra regjeringspartiene, slår det meg hvor ofte de leter etter måter å underminere denne satsingen på, snakke ned denne massive satsingen, og snakke ned den fantastiske som norsk kulturliv de siste årene har gjennomgått. Det er ikke bare feil, det er også veldig smått. Dette er den første anledningen til å diskutere den nye regjeringens retning i kulturlivet og ta en diskusjon rundt hva det er som er denne regjeringens store prosjekt. Når jeg lytter til representanter fra regjeringspartiene, slår det meg igjen at engasjementet først og fremst knytter seg til ideologi, framfor å være et ektefølt engasjement for norsk kulturliv. Når vi leser tilleggsproposisjonen, er det som en rød tråd – vi ser konturene av det jeg med mine egne ord vil kalle en kulturkuttisme, hvor man først varsler et kutt, for så å varsle en gjennomgang. Man kutter for Kulturrådet, for så å varsle en gjennomgang av hele Kulturrådets rolle. Man kutter i Norsk filmfond, for så å varsle en filmmelding. Man kutter for NRK, for så å varsle en gjennomgang av NRKs posisjon. Og man foreslår kutt i pressestøtten, for så å varsle en gjennomgang av hele det landskapet. Det blir som bonden som sulter kua og krever mer og bedre melk. Man trenger ikke stor innsikt for å forstå at det er en utfordrende strategi. I tillegg synes jeg vi ser at regjeringspartiene sier én ting, men gjennomfører grep som vil føre til det motsatte. De sier at de ønsker flere private finansieringskilder, men de kutter i Filmfondet, som bidrar nettopp til flere private midler. De sier at de ønsker mer mangfold, men de reverserer bokloven, som var den rød-grønne regjeringens forsøk på å sikre et mangfold også i framtiden. Og man foreslår endringer i pressestøtten som foreløpig først og fremst dreier seg om at flere skal ut av ordningen. Og man sier at man ønsker mer frihet og armlengdes avstand mens man gir mindre penger til Kulturrådet, nettopp på de områdene hvor man har et kulturfaglig skjønn. Dette viser for det første at regjeringen har en ideologisk tilnærming til kulturpolitikken framfor et ektefølt engasjement, det viser at de grepene de foreslår, vil føre til det motsatte av det de egentlig sier at de ønsker, og det viser at vi for første gang etter åtte år med stor optimisme og stor vekst i kultursektoren, nå ser en bråstopp og stor usikkerhet. Det beklager jeg, for jeg synes at Norge nå sto på terskelen til virkelig å bli en kulturnasjon, at man nå – med den usikkerheten som er spredd – ser at flere vurderer om de tør å satse private midler på dette, og at man ser at flere vurderer sin egen framtid, enten det være seg å drive privat virksomhet innenfor kultursektoren eller å satse på en framtid innenfor kultursektoren. Det synes jeg er trist.

og vi vil invitere med alle gode krefter. Vi tror at når vi sprer makten og gir tillit, gir vi bedre vekstvilkår, og det skaper grobunn for bedre løsninger. Regjeringen ønsker å gjennomføre en frihetsreform i kulturpolitikken. Det er ikke politikernes oppgave å detaljstyre innholdet i kunsten og kulturen. For ofte og for lenge har det vært for sterke politiske føringer på innholdet, og det ønsker vi å fjerne oss mer fra. Norsk medievirkelighet har alltid vært i endring, men endringene skjer raskere nå, og nordmenn tar i bruk nye plattformer i større skala enn i de fleste andre land. Det er betydelige utfordringer som er knyttet til leverandørene av innholds hverdag når de skal tilpasse seg det stadig endrede forbruksmønsteret, samtidig som de konkurrerer seg i mellom. Regjeringen sier nå tydelig at den mediepolitiske utviklingen står på Med denne bakgrunnen er det viktig å peke på at en plattformnøytral mediestøtte vil bli en virkelighet om ikke lenge. Det er også klart at dagens støtteordninger skal gjennomgås, legges om og etter hvert reduseres. Vi er opptatt av mangfold og et godt utbud av lokale aviser, og vi ønsker også å redusere medienes avhengighet av statlig støtte. Derfor er det et mål å gjøre ordningen mer treffsikker. Det vil også være at momsregimet for papiraviser og e-aviser likestilles med en felles momssats. NRK er i en særstilling i den norske mediehverdagen. Slik vil det være framover også, men de må ikke bruke denne posisjonen til å svekke andres aktivitetsgrunnlag. Det er behov for en gjennomgang av NRKs virksomhetsområder for å klargjøre kjernevirksomheten, og vi ser fram til en stortingsmelding om NRKs virksomhet og lisensordningen holdt opp mot alternative finansieringsformer. Det frivillige Norge får betydelige bidrag fra nordmenns spilleglede. En liten slant satset, noen timer eller dagers spent forventing, og en sjelden gang noen ekstra kroner i retur. Men som oftest finner pengene veien til det frivillige Norge. Viktigheten av inntekter fra pengespill til ideelle formål er stor, samtidig som vi også skal videreføre en politikk som ivaretar hensynet til spilleavhengige. Derfor er det gledelig at Norsk Men det er et faktum at Norsk Tippings overskudd ser ut til å minke, noe som utfordrer hvordan vi skal sørge for tilsvarende inntekter også i framtiden. Norsk Tippings overskudd minker ikke fordi vi plutselig har fått en veldig moderasjonslyst når det gjelder spill. Utenlandske aktører forsyner seg i økende grad av den totale spillomsetningen, og dette løser seg ikke av seg selv. Det blir derfor viktig å se på hvilke muligheter vi har til å sørge for at ideelle aktører også i årene som kommer, har en like stor kake å dele. dele. En måte er å utrede spørsmålet om lisensordning for utenlandske spillselskaper for å se om det er mulig å kombinere sosialpolitiske hensyn og økte totale inntekter til frivilligheten innenfor EØS-avtalen. Det må også vurderes i større grad å åpne for ikke vanedannende lotterikonsepter, hvor humanitære organisasjoner prioriteres ved innføringen av disse. Slike konsepter skal godkjennes, og beslutningen skal tas av Lotteritilsynet. Når Norsk Tipping nå etablerer spillkonseptet Nabolaget, vet vi ikke hvor mye nye penger dette vil bidra med til humanitære organisasjoner, men det er viktig å understreke at de såkalte 10H – en gruppe humanitære organisasjoner – skal motta en del av overskuddet i en overgangsperiode, satt til fire år. Et stort antall andre organisasjoner utenfor 10H har framført kritikk mot denne fordelingen, og 10H bør trolig innstille seg på en større grad av likebehandling etter overgangsperioden. Vi vet også at under den forrige regjeringen var det aktører som forsøkte å starte liknende konsepter, og Lotteritilsynet var positive. Foreløpig har slike konsepter blitt stanset av overstyring fra departementet, men det er altså Høyres politikk at dette i framtiden skal ligge hos tilsynet. Det er gode eksempler fra utlandet, bl.a. har det svenske PostkodLotteriets Kulturstiftelse på to år bidratt med over 210 mill. svenske kroner til ulike kulturformål. PostkodLotteriet er verdens tredje største filantropiske virksomhet

Store deler av kultur- og idrettslivet, i tillegg til fritidstilbud for barn og unge, drives av frivillige organisasjoner. Frivilligheten gir gode muligheter for barn og unge, engasjement, deltakelse og innflytelse og bidrar til samhold, tilhørighet og glede. Frivillige organisasjoner bidrar til kulturell vekst nedenfra og opp og bør derfor i stor grad være fri for statlig styring. Vi må i større grad la frivilligheten få frihet til å organisere seg slik det passer best. Frivillige organisasjoner må i tillegg gis mer tid til å fokusere på det arbeidet de ønsker å utføre, tid som må frigjøres fra krevende rapporteringsarbeid. For å få til dette må vi forenkle regelverk og kutte ned på kravene til rapporteringer og dokumentasjon. I likhet med vårt gode samfunn, der grunnpilaren er at det gode samfunn bygges nedenfra, ønsker vi å la frivilligheten få samme muligheten. For å få til dette må vi la frivilligheten få spillerom til nettopp dette. Denne regjeringen vil derfor legge til rette for å bedre vilkårene for frivilligheten og private initiativ – rett og slett å gjøre hverdagen enklere for folk flest. I tillegg ønsker vi å satse mer på kunnskap innenfor frivilligheten. Jeg er derfor tilfreds med at det settes av mer penger til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor dette feltet. Det vil kunne hjelpe frivilligheten betydelig i tiden framover når det gjelder både vekst og videreutvikling. videreutvikling. Denne regjeringen tar frivilligheten på alvor. Det har over lang tid, dessverre, blitt bygget opp et krevende byråkrati som Frivillighets-Norge har måttet forholde seg til. I tillegg har avgjørelser innen dette feltet blitt for sentralisert og politisert. Denne utviklingen er jeg glad for at regjeringen har som mål å snu. Jeg er stolt over å si at denne regjeringen har fokus på dette feltet i Sundvolden-plattformen. Der framkommer det en rekke gode tiltak som vil bedre rammebetingelsene for denne viktige sektoren. Denne regjeringen ser positivt på private initiativ og mener at privat kapital er et godt og viktig supplement til det offentlige. Derfor er jeg glad for den foreslåtte gaveforsterkningsordningen på hele 10 mill. kr, som innebærer at staten yter et tillegg på 25 pst. av gavebeløpet ved private pengegaver til kunstinnkjøp til nasjonale og regionale kunstmuseer, og pengegaver for å sette i stand norske museumsanlegg. Dette vil kunne bety en betydelig økning av tilskudd til det nasjonale museumsnettverket rundt i hele landet dersom hele gaveforsterkningen utløses. I tillegg gleder jeg meg over regjeringens forslag om å endre den såkalte tippenøkkelen, som fordeler overskuddet fra pengespillene Norsk Tipping AS tilbyr for å styrke idretten og kulturformål utenfor statsbudsjettet. Endringen medfører at idrett, kulturformål og samfunnsnyttige og humanitære formål får en større andel av dette overskuddet enn tidligere. Samtidig endres vilkårene for å kunne motta støtte, slik at overskuddet ikke utelukkende fordeles mellom organisasjoner som tidligere hadde Videre får samfunnsnyttige og humanitære formål en ytterligere støtte, ved at hele overskuddet fra Norsk Tipping AS’ nye spill Nabolaget skal fordeles til organisasjoner med disse formålene. Framover håper jeg det kan åpnes for etablering av nye, ikke-vanedannende lotterier med formål om å øke inntektene til idrett, kultur og samfunnsnyttige og humanitære formål. Regjeringens overordnede mål med kulturpolitikken er høyere kvalitet og økt De enkelte organisasjonene må gis mulighet til å konsentrere seg om det gode arbeidet de gjør, med et forenklet regelverk. Frivillighet skal være givende for den enkelte og for samfunnet, slik at frivilligheten kan vokse og tiltrekke seg flere medarbeidere, samtidig som dagens frivillige ikke demotiveres. Jeg har stor tiltro til at regjeringens kulturpolitikk vil bidra til nettopp dette. Den fokuserer på det frivillige arbeidet framfor rapporteringskrav, den tilrettelegger for bredere finansieringsmuligheter, og den desentraliserer den kulturelle og frivillige styringsmakten. Frivilligheten er en av bærebjelkene i vårt samfunn og gir ufattelig mye glede til dem som tar del i den. Derfor må vi sørge for at frivilligheten gjenstår som frivillig, hvor mennesker kan komme sammen på egne premisser, hvor deres innsats applauderes. Det er

fellesskap, selvtillit, lek, erkjennelse og relasjoner – jeg kunne holdt på lenger, men dette er stikkord som sender meg til kjernen av det jeg har lyst å sette på dagsordenen, nemlig kulturskolen. Regjeringen Stoltenberg ville sikre at alle barn skulle få en time kulturskoleopplæring i Situasjonen i dag er at minst 30 000 barn står i kø for kulturskoleopplæring, som er et godt og nært opplevd kulturtilbud. Vi som politikere må ha visjoner for kultursatsingen for alle aldersgrupper – barn, ungdom, voksne og eldre. Arbeiderpartiet har gitt kulturløfter for alle aldersgrupper. Gode lokale kulturarenaer er avgjørende for å utvikle små og store talenter. Det begynner ofte med kulturskolen. Få, om enn noen, gledeshyl er blitt hørt etter at den nye regjeringen lanserte sin nye retning for kulturpolitikken. Den nye regjeringens kulturpolitikk Den nye regjeringens kulturpolitikk legger opp til størst mulig frihet for kulturlivet. En av metodene for å nå det målet er å styrke den private finansieringen av kulturlivet – gjennom f.eks. gaveforsterkningsordninger og bedre tilrettelegging for private fond og stiftelser, som det står i regjeringsplattformen. Statssekretær Knut Olav Åmås spikket i tiden som kulturredaktør i Aftenposten iherdig på sin kjepphest om privat finansiering av kulturlivet, med det argument at kulturlivet ville bli stilt friere dersom det ble flere steder å søke støtte fra. Men mindre offentlige penger utløser ikke automatisk private sponsorkroner. gir heller ikke fra seg penger uten klausuler. Private sponsormidler til kulturlivet kan også gi mindre frihet. Private finansieringskilder vil alltid ha en rømningsvei, om deres omdømme settes på spill. Offentlige støttemidler kommer ikke med slike kravspesifikasjoner. Med offentlige støttemidler er det ingen som helst tvil om hvem som er den sterkeste part, nemlig kunstneren. Med en privat sponsor er det giveren som er den sterke part, og jeg mener frihet frarøves og innovasjon blir truet. En ny, borgerlig initiert gaveforsterkningsordning må ta høyde for disse mekanismene. En gaveforsterkningsordning er en blanding av private og offentlige tilskudd et privat tilskudd skal utløse en viss prosentandel statlig støtte. Dermed håper jeg den nye regjeringen også ser mulighet for å legge inn noen føringer. Det bør bl.a. være at støttemottakeren skal ha størst mulig kunstnerisk frihet. For Arbeiderpartiet har det alltid vært viktig at kunsten er fri. Et sterkt og fritt kulturliv er avgjørende for ytringsfriheten og for et levende demokrati. Kunstnerne bidrar til å utvikle det offentlige ordskiftet og oss som samfunn gjennom sine kulturuttrykk. Til slutt vil jeg oppsummere med å si at siden 2005 har Norge gjennom våre kulturløft gitt viktige løft til bl.a. musikk, litteratur, museer, scenekunst, dans og frivillighet. Historien vil nå fortelle oss hva denne regjeringen la til rette for. Den rød-grønne regjeringa la fram et godt kulturbudsjett og

Når statsråd Widvey sier hun vil ha mer innholdsfokus i kulturen framfor nybygg, ser hun ikke sammenhengen. Når den nye regjeringa velger å kutte i tilskudd til nybygg på mange nødvendige varslede museumsbygg, velger de også bort viktige deler av de nødvendige rammene som må være med for å kunne gi godt innhold til kulturen. Jeg vil trekke fram tilskuddet til Hvalfangstmuseet i Sandefjord som ett av de prosjektene som nå Museet ivaretar nasjonale verdier fra en tid som var viktig for Vestfold og for Norge, og er det eneste spesialmuseet i Europa. Nybygget var sårt tiltrengt, og planene var klare for et spleiselag. Jeg regner med at Høyre-ordfører Gleditsch i Sandefjord ikke gleder seg veldig over den nyheten og nå må finne andre løsninger for utbygginga. Dette er et eksempel på kortsiktig politikk, som skader kulturen, som skader kulturen, og det er dessverre gjort flere kutt i investeringer av denne typen fra den nåværende regjeringas side. Det er ikke mye hjelp i å fokusere på innholdet om skallet ikke er brukelig. Det andre kuttet jeg vil nevne, er tilskuddet til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Arbark, på 2 mill. kr – ikke store summen, med ganske betydningsfullt. Arbeiderbevegelsens arkiv er den største private arkivinstitusjon vi har i Norge. Den gir innsikt i den norske politiske historien. Høyresidas arkiv forvaltes av Riksarkivet og dekkes med 100 pst., mens Arbark er finansiert også ved innskudd fra medlemsorganisasjonene, og bevilgningen har økt på linje med Riksarkivets. Tilskuddet som Arbark får, dekker om lag 40 pst. av utgiftene arkivet har. En kan bare undres om kuttet kommer fordi dette er venstresidas arkiv. 7 000 hyllemeter med dokumenter, 1,5 millioner bilder og 137 000 bøker sier noe om mengden vi snakker om. Nå må det kuttes i tilskuddet som gis videre til de regionale arkivinstitusjonene, noe som vi beklager sterkt. Vårt ansvar er å ta vare på fortida inn i framtida ved gode rammevilkår. Kutt rammer også Den kulturelle nistepakka – med den begrunnelse at det er en ordning som griper inn i arbeidsgivers ansvar for å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø. Vestfold var opphavet til Nistepakka, med Arbeidslivets KulturSeilas, AKS. Bedrifter i Vestfold får på denne måten kunst- og kulturopplevelser som en naturlig del av hverdagen. Dette drives av kulturavdelinga i fylkeskommunen, en fylkeskommune som styres av Høyre. De har tydeligvis skjønt at dette er viktig. Mange bedrifter er med, og nylig kunne vi se en bedriftseier som var kjempefornøyd med tilbudet – som ga positive innvirkninger på arbeidsmiljøet – og hun ville ikke vært det foruten. Uten drahjelp fra fylkeskommunen ville ikke det tilbudet vært til stede. Uten drahjelp fra staten ville heller ikke Nistepakka kunne fortsette på samme måten. Arbeidsmiljø og kultur skal tydeligvis ikke blandes for denne regjerninga, mens for Arbeiderpartiet henger ting sammen. Vi vil heller bruke de gode eksemplene til nytte for alle, og vi vil lage gode arbeidsmiljøer for

minutter. Det er flott å kunne delta i en kulturdebatt i Stortinget, og jeg vil starte mitt innlegg med en begivenhet som er både kultur, idrett og stor intellektuell prestasjon i en og samme tapning, nemlig sjakk-OL, som går av stabelen i Tromsø i august 2014. Det er store forventninger knyttet til dette arrangementet, spesielt etter den fantastiske prestasjonen til Magnus Carlsen i sjakk-VM i India nylig. Jeg er glad for at både proposisjonen og komiteens merknad omtaler neste års begivenhet i Tromsø i svært positive ordelag. Jeg leste i Dagbladet i går at politikere som har tenkt å bli respektert som hele mennesker, må begynne å flashe sine musikalske preferanser – og de bør visstnok være cool. Nå vet jeg ikke om Dagbladet vil synes noe særlig om mine 1970- og 1980-tallserfaringer med jazz, klassisk musikk og latinamerikansk musikk, men jeg tar sjansen på å snakke om noe som ligger mitt hjerte nær, nemlig kor. Det var noe av det første jeg begynte å jobbe med da jeg kom inn på Stortinget i 2005. Den rød-grønne kulturfraksjonen la, sammen med departementet, et løp for å løfte korfeltet, og det ble bevilget friske penger både til en prøveordning og etter hvert penger til fem profesjonelle kor i fire byer i fire regioner – profesjonell i betydningen av at korene har oppnådd høy kunstnerisk kvalitet og knyttet til seg sangere som helt eller delvis lever av sangen. Alle de aktuelle korene holder til i byer hvor man kan ta sangutdanning på universitets- og høyskolenivå, og som også har sterke miljøer for traderte vokalformer – altså er dette kor som med god og forutsigbar støtte kan tilby lønn eller honorar til kormedlemmer som har sangen som levebrød. De fem korene: Det Norske Solistkor, Nordic Voices, Kor Vest, Trondheim Voices og Vokal Nord, har til sammen nesten 12 mill. kr i statlig støtte for 2013. Det er penger som er øremerket disse korene av den rød-grønne regjeringa. Derfor ble jeg nokså forbauset da det nå nylig ble framstilt som om de par ekstra millionene som regjeringa la inn til og Kor Vest, var et skjellsettende løft for profesjonelle kor. Ja, det er flott at man har funnet ekstra penger til de to meget gode korene, men jeg er litt i stuss over at de pengene måtte tas fra en pott som skulle gå til semiprofesjonelle kor. Og det er litt trist at tre av de fem korene som har vært inne i profesjonaliseringsordninga, ikke er løftet fram av den blå-blå regjeringa. De fem korene de driver vokal innovasjon innenfor kunstmusikk, jazz, folkemusikk og joik, for å nevne noen sjangre. Så jeg håper virkelig at regjeringa ser dette mangfoldet og etter hvert finner plass til en økning også for disse korene på budsjettet. Og så håper jeg at man er ryddig nok til å si det som det er: Det var den rød-grønne regjeringa som først anerkjente vokalfeltet, og som bevilget mer penger til kor generelt – og til de beste korene spesielt.
Nå er situasjonen den at representanten Line Henriette Hjemdal ikke kan ha ordet under en sak der hun skal presidere etterpå. Derfor går ordet videre til Henrik Asheim. De siste årene har det vært et viktig og Asheim. De siste årene har det vært et viktig og ganske bredt politisk mål å skaffe nok barnehageplasser. Det har vært et felles politisk prosjekt som har gjort at det nå er mange barn som går i barnehage. Det er bra. Jeg har selv mange venner som etter videregående benyttet sjansen til å jobbe et år i barnehage, som storkoste seg med det og fikk utløp for mange av de mer barnslige interessene de har. Jeg har selv jobbet på SFO – det ligger riktignok under en annen komité – og det var ganske gøy å få betalt for å spille dødball. Men det er altså slik at fordi vi har fokusert på nettopp å få nok barnehageplasser, kan mye tyde på at vi ikke har fått nok kvalitet inn i barnehagene. EPSI Norge har påvist at norske foreldre er de foreldrene i de nordiske landene som er minst fornøyd med barnehagetilbudet, og barnehageforsker Ratib Lekhal sa til Klassekampen den 22. november at dette kan ha sammenheng med at man har hatt for mye fokus på å få nok barnehageplasser, istedenfor å få kvalitet inn i

virkelig får den kompetansen de har krav på. Det å arbeide i barnehage er ikke bare noe man gjør i et friår eller ved ikke å ta militærutdannelse, men det er et fag, og det er et fag vi skal respektere. Jeg er veldig glad for at vi har fått en ny regjering som øker satsingen på dette med 50 mill. kr fra 2013 til 2014. Og skal vi få opp kvaliteten på barnehagetilbudet, må vi sørge for at de som arbeider i

Jeg er veldig glad for at vi er bredt politisk enige om å satse på at barn skal få barnehageplass, men jeg er også veldig glad for å ha fått en regjering som nå fokuserer på innholdet i barnehagene, og ikke bare på antallet plasser. Kva er

Noreg. Eg må seie at det er eit kutt som er betydeleg i forhold til dei raud-grøne sitt budsjett. Leiaren i Kulturrådet, Yngve Slettholm, har varsla at han trur det må få substansielle konsekvensar. Eg er spesielt bekymra for om det skal få konsekvensar for organisasjonar og institusjonar som gjer eit viktig arbeid med lesing og språkopplæring i Noreg. Det er organisasjonar som Foreningen !les og Leser søker bok, og det er ei rekkje andre. Dei driv med viktig arbeid utanfor skulen, gjennom å gi folk eit tilbod om lesing og tilby bøker som treffer menneske. Det kan vere blinde og svaksynte, det er mange som har norsk som andrespråk, og det er mange barn og unge. Er det noko vi som har barn i skulen veit, er det at ja, skulen og lærarane er avgjerande for Men barn må lese masse utanfor skulen, det er ikkje mogleg å verte ein god lesar berre gjennom skulen. Ein skulle tru, når ein høyrer alle dei fagre orda her om frivilligheit og at det må vere meir enn stat, at nettopp den typen arbeid skulle erkjennast som ufatteleg viktig for å styrkje språkkunnskapar og sørgje for at vi ytterlegare kan styrkje leseferdigheitene i Noreg.

en litt spennende situasjon. Det er egentlig bare å finne 100 gode formål, og så er vi ferdig med å budsjettere, for 100 ganger 1 er 100, og da har vi 100 pst. av budsjettet i mål. Så lurer jeg også litt når det hele tiden snakkes om at det kuttes så veldig. For det er nå engang sånn at statsbudsjettet neste år øker med Budsjettet for kultur øker med 6,8 pst. Det er litt over 20 pst. mer økning, så det er ikke sånn som det males av flere av dem som har vært her oppe, at det står så ille til som man får inntrykk av. Det er en ganske raus økning for veldig mange. Jeg hørte også representanten Solhjell erkjenne at Kulturløftet ikke er tilstrekkelig sånn som det har vært fram til nå. Samtidig sa han at han ser fram til en frihetsreform. Der er vi Jeg tror nok også det er der det går en ideologisk skillelinje, og representanten var også inne på det – frihet fra og frihet til. Men kulturlivet er selv frustrert over de føringene, de er selv frustrert over de holdningsmessige programmene som må leveres, og innholdsproduksjonen som skal styres, og de iallfall ønsker «frihet fra». Når man er mot eller skeptisk til annen finansiering enn statsbudsjettet og tippemidler og ønsker å lempe på politiske føringer, synes jeg det kan virke som om det er kontrollen i seg selv som er selve målet. Høyre ønsker å gi mer frihet. Vi ønsker å se på andre inntekter. Jeg hørte representanten Arild Grande mente at det ikke var engasjementet for kultur, men ideologien som styrer Høyres tenkning. Vel, jeg tror ikke engasjementet måles i pengestrøm – pengestrøm uten styring, pengestrøm – pengestrøm uten styring, pengestrøm uten analyse av virkning, sånn som Enger-utvalget peker på. Det er ikke å snakke ned, det er å peke på fakta. Så hører jeg flere si at hvis man gir mer offentlige penger, følger det flere private med, av seg selv nærmest. Vi tror ikke det er sånn, vi tror det er motsatt. Derfor ønsker vi å innføre gaveforsterkningsordningen. Og noen ganger kan det faktisk også være lurt å riste av seg litt gammelt gods og tenke litt ideologisk, når man har stivnet i forvaltningsmodus.

Men jeg synes uttalelsen er kraftig. Er det kun Arbeiderpartiet som har definisjonsmakten på «ektefødt», og er det det ektefødte som skal styres fra Oslo? Det er spørsmålet fra meg. Når man vet at med Fremskrittspartiet og Høyre i regjering øker kulturbudsjettet med 6,8 pst. fra i fjor, er vel ikke det noen rasering av kulturen. Det betyr at denne regjeringen vil kulturen noe. Og denne prosenten som Grande stadig vekk refererer til, må man lete lenge etter for å finne. Jeg går ut fra at det er momskompensasjon, det er vedlikehold på Operaen, det er vedlikehold på Nationaltheatret, men det blir ikke mye kultur ut i kommunene for det, når man sprer det sånn. Det er viktig at pengene kommer dit de skal. Så mener man at Norsk Tipping, som har monopol, har de beste spillene, de minst vanedannende. Men at de spilleavhengige har tanker rundt at det stadig vekk er trekning i beste sendetid, at man har store annonser, store reklameplakater, store løsninger og store premier, det overser Arbeiderpartiet, fordi dette er monopolet som man har tro på. Vi ønsker å se på lisensordningen, som de har gjort i Danmark. Vi ønsker å se at vi kan få mer penger til frivilligheten, mer til idretten, og det må jo være vinn–vinn når vi kan innføre flere spill som er ikke men som samtidig genererer penger til idretten. Samfunnet vårt består av store og små fellesskap. Idrett og fysisk aktivitet har stor egenverdi og gir en bedre fysisk og mental helse. Hvorfor skal vi ikke gjøre alt for å skaffe penger til dette? Regjeringen vil gi gode rammevilkår for idretten og tilrettelegge for at alle som ønsker det – og det vil jeg gjenta, alle som ønsker det

inneholdt. Det tok ikke lang tid å konstatere at den faktisk ikke ligger bare på Kulturdepartementets budsjett. Det er syv andre departementer, nesten 700 mill. kr ligger på andre departementer. Jeg lurte faktisk litt på hva som er kriteriene for at man kan definere seg inn under det som har med Kulturløftet å gjøre. Jeg kan berolige med at når det gjelder de 700 mill. kr, ligger faktisk det vesentligste der også på neste års budsjett, med denne regjeringen. Det er f.eks. Arkeologisk museum, det kan være i forbindelse med driftsutgifter til Kirkeavdelingen, det er Eidsvollsbygningen, det er Norsk Reiselivsmuseum, det er samisk kultur osv., osv. Jeg lurte da på: Er det disse omprioriteringene eller noen av disse endringene eller kuttene som denne regjeringen har foretatt, som på en måte skulle tilsvare at man ikke har fokus på dette? Jeg har tenkt på at hvis jeg skulle vært med på denne øvelsen, kunne kanskje også jeg finne noe som kunne defineres inn under Kulturløftet og komme opp i 1 pst. For eksempel kunne jeg finne ulike typer kulturminner som kunne defineres inn, eller universitetsmuseene, eller Forsvarets musikk, eller Forsvarets museer eller kystkulturen. Da ville vi kommet opp i hundrevis av millioner. Men jeg har i denne debatten at for oss er det ikke et mål i seg selv å ha et ensidig fokus på at det er 1 pst. som skal gå til kulturtilbud. Det er faktisk innholdet som er det vesentlige. Og jeg håper at vi i tiden som kommer, faktisk kan rette fokuset mot innhold og høyere kvalitet og hvordan vi skal sikre oss at vi har gode tilbud i det ganske land. Det håper jeg skal bli diskusjonen i årene som kommer. Så bare en kort kommentar til dette med kor. Vi har satset på Det Norske Solistkor og Kor Vest. De er nå blitt faste poster på statsbudsjettet, og vi har styrket bevilgningene kraftig. I tillegg har vi satt av 2 mill. kr til amatørkor over hele landet og også 1,5 mill. kr til Krafttak for sang. Vi er faktisk veldig opptatt av at vi skal klare å få til en utvikling rundt omkring i det ganske land, og det er noe vi kommer til å ha fokus på i årene som kommer. Kulturfeltet er et og i en sånn debatt dukker det opp veldig mange ting som en kunne ha lyst til å kommentere. Jeg skal ta noen av dem i dette innlegget. Først til representanten Bekkevold, som har varslet at det er et romertallsvedtak han ikke vil være med på. Nå hører jeg at begrunnelsen hans er ryddet opp i,

og spesielt for å sikre de flerårige prosjektene. Da tenker sikkert Bekkevold gjennom det på nytt. Så må jeg ha en kommentar til disse uttalelsene om kutt eller ikke kutt. For det første tror jeg at representanten Solhjell nesten må forklare hvordan en økning på 6,8 pst., altså mer enn budsjettet for øvrig, kan omtales som kutt. Det kan være at det har noe med virkelighetsoppfatningen å gjøre, at en tror noe en har foreslått, er en realitet, og at når det ikke blir sånn, kan det omtales som kutt. Men realiteten er altså en solid økning til dette feltet og denne sektoren, og da blir det rart å omtale det som kutt. Så ser jeg også at de sliter med retorikken når de snakker om andres penger som vi jubler over. Ja, det er veldig mye felles, og det er bra. Det blir litt rart at de sabler ned budsjettet som ligger der, samtidig som de sier at det meste har de funnet på selv. Det kan være en må gjøre noen valg her. Det må en kanskje også når både Arbeiderpartiet og Senterpartiet bruker retorikken om at det er gjort kutt eller omprioriteringer i kulturbudsjettet for å gi skattelette, gjerne til dem som har mest fra før. Nå har en altså brukt opp de pengene i alle de andre budsjettdebattene, så det begynner å bli fryktelig mye til skattelette, langt utover det som ligger i det inneværende budsjettforslaget. En kan altså ikke ta alle penger på alle budsjettområder og si at det er til skattelette. De er brukt opp før. Dette er omprioriteringer som styrker denne sektoren, og vi tør å prioritere der det trengs
stortingsbygningen. Jeg tror det må være teknologien som spiller oss et puss i førjulstiden. Det skal altså ikke voteres nå – til dem som har kommet inn, og måtte tro det. Da er neste taler representanten Lene Vågslid. Vågslid. Eg vil starte med å kommentere det siste innlegget, frå Det kan nok vere både litt irriterande og plagsamt at ein blir mint på dei store skattekutta som er gjeve, men det er ikkje slik at dei er brukt opp i andre debattar. Skattekutt av ein slik størrelse som me har sett frå denne regjeringa, vil eg påstå rammar heile totalbudsjettet og kva pengar ein har til fordeling. Men det var ikkje det eg skulle snakke om. Kulturdebatten er viktig – og veldig viktig for Arbeidarpartiet. Arbeidarpartiet. Det kan ein òg sjå av talarlista i debatten i dag. Ein av dei klassiske debattane me har hatt her dei siste åra, er fridomsdebatten. Kulturministeren sitt svar til representanten Solhjell på kva ho meinte var raud-grøne avgrensingar, synest eg var interessant. For det blei sagt at den raud-grøne regjeringa hadde lagt inn krav i tildelingsbrev som ikkje var kulturfaglege. Ja, nettopp – det er ikkje lagt inn detaljstyrande krav, slik som me ofte blir møtt med frå høgresida. Men det som har blitt lagt inn av premissar, som eg meiner me òg var ganske tverrpolitisk einige om i fjor då me behandla kulturrådsloven, var kriterium om bl.a. sjangerspreiing og geografisk fordeling av midlane. Og det meiner eg eg er ein viktig del av ein kulturpolitikk som skal nå heile landet. Eit mantra me ofte har hatt i denne salen, i alle fall frå Arbeidarpartiet si side, er at me både trur og veit og meiner at det blir skapt kultur over heile landet. Me har dessverre eksempel på at dei store byane fortsatt fungerer som sluk for altfor store delar av kulturmidlane. Og om ein skulle vere oppteken av det som òg representanten Eidem Løvaas er oppteken av, maktspreiing, står det litt i kontrast til argumentasjonen frå regjeringspartia når det gjeld deira syn på kva som er å styre, og ikkje. Eg var i FN i haust og fekk møte ein del av dei kunstnarane som mottek stipend under OCA i New York, og éin ting dei sa, var at det var veldig fort gjort, etter å ha vore nokre veker i USA, å kome på kor godt ein hadde det heime. heime. Veldig mange av deira kollegaer misunna dei stort for at dei kom frå eit land som prioriterer kultur – og då handlar det òg om pengar – og som prioriterer det å leggje til rette for at kunstnarar skal kunne klare seg i ein skapande

Vi ser i mange sammenhenger at vi trenger mer tverrgående satsinger, og hvis det er sånn at penger bevilget på andre budsjetter enn det som er fagbudsjettet, ikke skal kunne telle med, ja da skal det bli noen interessante debatter i denne salen framover. Jeg gleder meg til å høre kulturministeren rapportere f.eks. på frivillighetsområdet, for frivilligheten har aktiviteter på svært mange andre områder enn på kultursektoren. Så er det riktig at vi ikke er i mål med å bygge opp kulturfeltet. Det er jo derfor vi ønsker oss Kulturløftet III, der vi skulle se på noen av de utfordringene vi så at Enger-utvalget pekte på. Men er det noe som er en bløff, er det jo den satsingen på folkebibliotek som presenteres. Den finansieres med å bruke 6 mill. kr, som ellers skulle vært brukt på bibliotek – 4 mill. kr fra Den kulturelle nistepakka og 2 mill. kr fra Arbeiderbevegelsens arkiv – så der er det ikke mye satsing å Så ble jeg ikke beroliget av det svaret som kulturministeren ga meg da jeg spurte om de endringene som nå skal komme i spillpolitikken. Jeg skjønner at det skal være Lotteritilsynet som heretter skal bestemme hvilke spill som skal få lov til å startes opp. Vi ser at i innstillingen i går pekte man på Postkodelotteriet, som skulle gi midler til kultur og humanitære organisasjoner. Det blir ingen penger til idretten hvis kulturministeren ikke går inn og setter krav til de organisasjoner som nå skal få nye Jeg er glad for at kulturministeren sa at hun ville komme tilbake til den saken. Jeg ser fram til at vi skal diskutere dette i Stortinget. Dette er en for viktig sak for norsk idrett til at man ikke får hatt en grundig debatt om de endringene som det nå legges opp til, både gjennom den behandlingen vi hadde i går, og den behandlingen vi har i dag. Jeg forventer at kulturministeren kommer tilbake til Stortinget for å redegjøre for de forslagene hun vil komme med.

Alliansen er viktig for å bedre vilkårene for midlertidig ansatte dansere og skuespillere. Vi vet at alliansen er definert som et prøveprosjekt ut 2015, men det er viktig at dette arbeidet kan videreføres, og kanskje også videreutvikles. Det trengs en grundig vurdering av hvordan vi best mulig kan sikre vilkårene for midlertidig ansatte dansere og skuespillere. Så til korsatsing. Det er et uttalt mål for den nye regjeringen å satse på kor. Det er noe Kristelig Folkeparti støtter, og vi har håp om at vi nå endelig kan få litt fart på sakene. Men det er litt pussig at det nå er skapt et inntrykk av at det allerede er satset på kor, for det er en overdrivelse. Ensemblestøtten, som forvaltes av Kulturrådet, har fått et betydelig kutt, og dette kan dessverre ramme en rekke kor direkte. Aktivitetsstøtten er økt, men her regner jeg med at statsråden har merket seg en enstemmig komitémerknad der man ber om en evaluering av denne ordningen. Så har to kor fått en egen post. Og det er bra, det støtter vi, men noen stor satsing er det ikke. Jeg er særlig opptatt av at den delen av ensemblestøtten som går til kor, fortsatt skal tildeles ut fra de samme kriterier som tidligere, og at bevilgningene her økes. I dag går aktivitetsstøtten til amatørkor. Ensemblestøtten skal gå til kor på høyt nivå, og så har enkelte kor fast post på statsbudsjettet. Vi må se dette i sammenheng. Ellers er Kristelig Folkeparti helt enig i det grepet som ble gjort knyttet til støtteordninger for semiprofesjonelle. Som nevnt i mitt hovedinnlegg, vil Kristelig Folkeparti i tillegg starte arbeidet med å utvikle et nytt profesjonelt radiokor i tilknytning til NRK. Det arbeidet ser jeg fram til. Dette er jo også omtalt i komitéinnstillingen. Men la meg understreke til slutt: Kristelig Folkeparti er glad for at det nå skal arbeides med en strategi for dette, og her skal vi i Kristelig Folkeparti være konstruktive. Først vil jeg si at det er

Det er jeg veldig glad for. Så har det vært viktig også for min landsdel å få et løft for institusjonene. Jeg satt som leder for en av de største festivalene i Norge, Festspillene i Nord-Norge. Jeg fikk penger både fra staten og gjennom samarbeid med næringslivet. Jeg skal betro Stortinget en ting: Det var faktisk bindinger på begge hold. Så hvis noen går rundt og tror at næringslivets penger eller private penger betyr å være fri og frank, bør de gå ut av denne sal og ut i den kalde vinterdagen og klarne tanken litt, for sånn er det ikke. Men det var faktisk helt greit med de føringene som Festspillene i Nord-Norge fikk. Jeg hadde et utmerket samarbeid både med Kulturdepartementet under ymse regjeringer og med de utmerkede sponsorene som jeg samarbeidet med som festspilldirektør. Jeg har et pragmatisk og greit forhold til at man kan samarbeide med næringslivet. Men det er et ordtak som heter at det er ikke noe sånt som en «free lunch», og ingen må være naive med hensyn til de pengene som kommer fra bedrifter og fra næringsliv. En gaveforsterkninsgordning kan være helt grei hvis den er begrenset og veldig målrettet – det har jeg også et pragmatisk forhold til – men jeg vil advare mot en slik ordning hvis den begynner å eskalere og bli bredt anlagt. Det er to problemer med det. For det første vil jo en sånn ordning først og fremst komme de delene av landet til gode der man har rikelig tilgang på kapitalsterke miljøer. Det vet vi er litt skjevt fordelt. fordelt. Så er det noe merkelig med at velsituerte aktører i vårt samfunn på en måte skal bestemme hvor Norge skal bruke kulturpengene – altså i hvilken retning de skal gå. Hvis det utarter, må jeg virkelig si at jeg er betenkt. Det eneste jeg kommer på som minner om det, er fritt behandlingsvalg i helsevesenet, som også regjeringa holder på med. Det er heller ikke bra. Så for å avslutte: Ja til samarbeid med næringslivet – men hoveddelen av pengene til kulturlivet må komme fra fellesskapet. Eg registrerer at Høgre harselerer over at Kulturløftet òg er tverrdepartementalt, og at det ligg eit samarbeid til grunn. men innanfor kultur er det tydelegvis ikkje viktig nok til at ein vil løfta det fram som noko positivt. Kulturministeren seier at ho er overraska over innretninga på Kulturløftet. Eg er overraska over at ho er overraska. Kulturløftet har vore definert frå 2005. Kulturministeren seier bl.a. at Forsvarets musikk og kulturminne, og litt sånn diverse, er å finna innanfor Kulturløftet. Vel, det har berre vore nye satsingar frå dei andre departementa som har kome innanfor Kulturløftet, det har ikkje vore systemting som allereie har lege i dei departementa, som har kome inn. Forsvarets musikk og kulturminne er elles ikkje ein del av Kulturløftet. Kulturløftet. I den grad kulturministeren ikkje var klar over det, er ikkje heile Kulturdepartementets budsjett ein del av Kulturløftet heller. Det er mykje i Kulturdepartementet som ikkje er ein del av Kulturløftet. Blant anna vart Operaen og Nasjonalmuseet bygde utanfor Kulturløftet. Så vil eg gjerne òg seia til den nye regjeringa at det er veldig hyggeleg å ha fått lov til å bidra til for aldri i verda om den nye regjeringa ville kunna leggja fram dette budsjettet dersom det ikkje var for den førre regjeringas arbeid gjennom åtte år. Eg har merka meg mange retoriske krumspring omkring denne reduksjonen på 0,25 mrd. kr, som regjeringa har foreslått, og som kulturministeren sel som ein siger. Men me veit kva det betyr. Her er den nakne sanninga: Kulturministeren tapte

Så kan kulturministeren seia at det ikkje er eit offentleg ansvar å leggja til rette for at kunstnarar prøver og feilar før dei endeleg lykkast, men då seier ho samtidig at det ikkje er ein offentleg ambisjon å leggja til rette for kunst og kultur av høg kvalitet. Ei anna side ved dette, som er ganske farleg, er at ein då risikerer å operera med eit smalt kvalitetsomgrep: eit kvalitetsomgrep som berre er her og no, eit som ikkje er ope for fordi med jamne mellomrom dukkar det opp kunstnarar som utvidar forståinga og den kulturelle horisonten vår og sprengjer alle grensene for kva som er kunst av høg kvalitet. Det er ikkje alltid at vår samtid kjenner denne igjen. Det er

sykehus økte, så skulle kulturen også få mer. Gjennom dette har vi fått til et historisk løft. Det jeg ser på denne talerstolen i dag, er en oppvisning i vikarierende argumentasjon fordi man rett og slett har tapt. Jeg tror faktisk ikke det er så ille – jeg tror egentlig ikke at kulturministeren ønsker å kutte, jeg tror hun bare rett og slett har tapt. Da er det noen av de argumentene man bruker som jeg synes er provoserende. Det ene er at hun er irritert over at det er andre ting som også er en del av Kulturløftet. I går vedtok Stortinget et utenriksbudsjett. Der måtte vi kutte penger til NORLA, for å sende norske forfattere til utlandet, og til Music Norway – en veldig viktig del av Kulturløftet som kulturministeren egentlig burde være glad for, ikke være irritert over. Kulturskoletime: Vi mener at det å delta i kulturliv, er viktig for alle barn og unge uavhengig av hvor mye penger foreldrene deres har. Det mener jeg er veldig viktig. Derfor burde kulturministeren være stolt av at Utdanningsdepartementets budsjett har fått penger til kultur. Hva med Høyre, som sier at det er et argument mot økte kulturbudsjetter at det blir mindre sponsing – som om det blir mer penger fra de private hvis man kutter kulturbudsjettet – eller Ib Thomsen, som sier at for mye er styrt fra Oslo og at det er et argument for å kutte i Kulturrådet, eller argumentet for å kutte pressestøtten fordi man da får mer uavhengig presse, eller at kvaliteten i norsk film øker fordi det blir mindre penger? Men kronen på verket kommer når frihetsdiskusjonen bringes opp. For hvor er det det kuttes? Hvilke deler av kulturlivet kommer til å merke det mest? Det er det frie kulturlivet – stikk i strid med det som står i regjeringserklæringa. Dette har også blitt forklart her, var at det var det mest skånsomme kuttet. Jeg vet at når det gjelder de pengene som går til festivaler, til folkemusikkgrupper og til det frie kulturlivet over hele Norge, er ikke det det mest skånsomme kuttet. Det er det kuttet som kommer til å ramme aller, aller mest. Men det er mest skånsomt for politikerne, for det er ingen ute i gatene som protesterer på det, og det er ingen som mister jobben sin i morgen. For det andre er det er Kulturrådets styre som får skylden for det. Man hadde kanskje stått seg på at man var ærlig. Kulturministeren har tapt budsjettkampen. Resten er vikarierende argumentasjon. Jeg kan hilse Arbeiderpartiets representanter og si at denne regjeringen er ærlig. Det har vært en interessant debatt, hvor det kan virke som om kultur nærmest er lagt ned og avviklet av stortingsflertallet, hvilket det ikke er. Jeg må kanskje igjen minne om at man øker kulturbudsjettet med i forhold til Stoltenberg-regjeringen. I tillegg er det sånn at det er ingen lek med tall. Denne regjeringen er opptatt av at man har målsikre, treffbare tiltak. Vi ønsker også å finne ut om det vi setter inn av ressurser, faktisk virker. Det er viktig for denne regjeringen. Det er ikke et mål i seg selv å bruke mest mulig penger hvis man ikke vet om det treffer.

selve kulturen. Ja, denne regjeringen har en annen ideologi, vi har en annen retning; hvis ikke var det ikke noen grunn til et regjeringsskifte. Vi har tillit til frivilligheten, og vi har tillit til kulturlivet. Vi registrerer at samfunnet har endret seg, kulturbransjen har endret seg, og publikum har sviktet. Da må vi gjøre noe for å hjelpe kulturen. Vi har en annen retning.

jeg lurer litt på én ting: Hvor er alle de omfattende forslagene, de omfattende forslagene på så mange områder som det høres ut som om det skal gå galt med? Jeg takker for en debatt som har vært spennende og interessant. Jeg ser fram til videre debatt.

Hadia Tajik og regjeringen la fram. Man kan gå videre på det selv med store kutt. Men vi har en kulturminister og et flertall som nå tar bort det som var drivkraften for de store økningene, nemlig det at kulturfeltet fikk et like konkret, håndfast mål som andre sektorer: Det er det énprosenten er. er. Vi sa at kulturen på samme måte som NTP, veisektoren, forsvarsplaner eller psykiatriplaner skal bli tatt alvorlig når det gjelder penger. Dette fjerner nå regjeringen aktivt. Side opp og side ned i budsjettinnstillingen står det: mener ensidig oppmerksomhet rundt budsjettets størrelse kan lede oppmerksomheten bort fra andre viktige mål i kulturpolitikken.» Dette blir verktøy å ha for finansministeren når kulturministeren kommer på budsjettkonferansen og krever mer penger. Så til dette med frihet. Hva er mangelen på frihet i kulturlivet? Det er alle de kunstnerne og kulturarbeiderne som opplever å ikke få realisert Det er minoritetsskuespilleren som opplever at norske teatre er like blendahvite som en norsk småby på 1950-tallet. Det er funksjonshemmede som ikke får tilgang på kulturopplevelser, fordi universell utforming ennå ikke er tilfellet. Regjeringen driver aktiv nytale. Det er penger som i stor grad er friheten. Det å doble kulturbudsjettet doble kulturbudsjettet og tildelingen på kulturfeltet er den største frihetsreformen vi har hatt. Den gir mange flere kunstnere frihet til å gjennomføre sine prosjekter helt uten politisk eller markedsmessig styring. Man snakker om desentralisering, men man kutter konsekvent i de støtteordningene som om det er Filmfondet eller Kulturrådet. Man snakker om mer private penger, men når man f.eks. sier at det er helt greit at det lages færre filmer fordi man kutter i filmstøtten, blir det også mindre privat investering i film, og det blir mindre billettinntekter til film. Parodien er fullkommen når man sier at man skal desentralisere og øke friheten, og man fjerner en kunstfaglig støtteordning for kor, men bestemmer hvilke to kor som skal få støtte!

ensemblestøtten skulle svekkes i årets budsjettforslag. Det er ikke riktig. På side 59 i innstillingen står det at ensemblestøtten skal prioriteres. Jeg vil også understreke at regjeringen vurderer den videre satsingen på korfeltet. Hvilken form den framtidige satsingen på korfeltet skal ha, får vi anledning til å komme tilbake til. vil også nevne at når det gjelder bokavtale – det var en liten kommentar om det tidligere – vil jeg understreke at bokavtalen vil sikre en sterkere konkurranse, og ikke minst sikre de 20 pst. av forlagene som er frie aktører. Det gjør nemlig ikke bokloven, og den loven hindrer også innovasjon, slik denne regjeringen ser det. også innovasjon, slik denne regjeringen ser det. Så en kommentar når det gjelder dette med bruk av private penger: Jeg forstår at det er de offentlige pengene som er det vesentlige når vi diskuterer kultur. Det vil også gjelde for denne regjeringen. Vi kommer fortsatt til å kjempe for at vi skal ha et høyt offentlig forbruk i årene som kommer. Det er vårt budsjettforslag et glitrende bevis for. Men jeg tror det også er veldig viktig å understreke – som jeg sa i mitt innlegg – at det faktisk er et vesentlig og stort bidrag blant private aktører på ulikt vis; ikke bare gjennom sponsing, som jeg merker meg at Arbeiderpartiet nevner når de snakker om private penger, men også gjennom gaver. For private penger unntatt sponsing kommer faktisk uten noen bindinger. Det er ikke snakk om at det skal være noen bindinger når det gjelder det. Problemet hittil, mener jeg, har derimot vært at mange av de offentlige pengene som brukes, har utrolig mange føringer. Vi tenker nytt, vi er villige til å åpne for at vi også får et sterkere privat engasjement i årene som kommer, og derfor denne gaveforsterkningsordningen. Så må jeg bare konstatere at når det gjelder denne énprosenten, er det fremdeles Arbeiderpartiets fokus at beløpets størrelse er svært viktig. Jeg har ikke sagt at det er negativt at andre departementer også faktisk prioriterer kultur. Det gjør denne regjeringen, og det er vi kjempeglade for, og det kommer vi også til å gjøre i årene som kommer. Men det jeg har sagt, er at jeg har forstått at når man beregnet for å komme fram til denne énprosenten, støvsugde man altså mer eller mindre de andre departementene for å kunne klare å komme i mål. Den øvelsen kunne jeg også gjort hvis det var målet. Presidenten vil minne forsamlingen om at vi avbryter dette møtet kl. 11.30 og setter det igjen 15.30, uavhengig av om denne første delen av debatten er ferdig eller ikke. Representanten Rigmor Aasrud har hatt ordet to ganger tidligere og får dermed ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Det var representanten Stordalen som fikk meg til å ta ordet. I sitt innlegg sier han at prioritering av kulturbygg ikke er noe man skal bruke penger på. Det synes jeg alle som nå har tanker om å få bevilgninger til kulturbygg, bør merke seg. Men han sier også at man bare skal gi penger til den kulturen som virker. Når er det kultur virker? Det synes jeg er et interessant spørsmål å få svar på. så mye forskjell på regjeringspartiene og opposisjonen, og at det ikke er noen forslag her i salen som vitner om det. Da må jeg få lov til å minne budsjettforslag som ligger til grunn for vårt budsjettarbeid her i Stortinget, og det er det vi mener hadde vært et bedre budsjett. Jeg hører også kulturministeren si at det ikke skal være noen føringer på de private pengene. Det blir interessant å se hvordan det skal settes ut i livet. Nå har jeg hørt flere representanter fra både posisjon og opposisjon snakke om hvor mye penger som er bevilget over statsbudsjettet til kulturformål, og flere har også etterlyst mangfold. Jeg synes vi har blitt en fattig nasjon om det eneste uttrykket for mangfold er postene på statsbudsjettet. Men skal jeg være helt ærlig, ønsker jeg meg flere ingeniører enn kunstnere. Selv om kunst på veggen på på sykehjemmet når jeg havner der, sikkert beriker meg, må noen fortsatt ha bygd den veggen og betalt for at jeg kan være der. Det gjøres ikke ved å ha subsidierte næringer, det gjøres via næringer som lever av egne inntekter, og som gjennom skatt finansierer velferdsstaten. Men når man først snakker om mangfold, får jeg lyst til å si noe om NRK. NRK har dobbelt så mange ansatte som sine fem direkte konkurrenter til sammen. NRK har en eier som begrenser premissene for konkurrentenes handlingsrom, og med sine 5 mrd. lisenskroner befinner NRK seg i en helt annen finansiell situasjon enn de privateide, konkurranseutsatte medier. Lokale eller regionale nyhetsmedier har aldri kunnet konkurrere med de privilegiene som norsk pressepolitikk har unnet noen få. Spørsmålet er om ikke disse privilegiene har svekket den lokale nyhetsproduksjonen mye mer enn En diskusjon om mediepolitikk uten NRK i ligningen gir et skjevt bilde av mediesituasjonen i Norge. I tillegg får noen det til å høres ut som om det norske folk ville stått helt uten gode redaksjonelle nyheter dersom støtte til papirproduksjon eller momsfritak forsvinner. Men hvis man ikke med 5 mrd. kr til den statlige allmennkringkasteren klarer å sørge for gode redaksjonelle nyheter i et land med 5 millioner innbyggere, hvem kan sørge for det da? Den statlige styringen av kringkasting er den største formen for statlig intervensjon i mediemarkedet. Derfor er NRKs rolle som allmennkringkaster den viktigste mediepolitiske og kanskje også kulturpolitiske debatten – ikke pressestøtte, ikke momsnivå. Og når lisensbetalerne allerede har betalt for produksjonen, burde kanskje NRKs arkiv være fritt tilgjengelig for gjenbruk? Burde NRK få sterkere begrensninger, slik at de ikke kan kjøpe de samme seriene som de kommersielle kanalene må bruke hardt opptjente penger på? Burde vi legge klare rammer for NRKs nettvirksomhet og kreve – slik Olav Anders Øvrebø gjorde på aftenposten.no i går – at NRKs nettredaksjon skal utvide offentligheten med noe så enkelt som å lenke til kilder og andre nettsteder i stedet for å produsere alt innhold selv? Vi vet også at når en institusjon med 5 mrd. kr i gratis inntekter går inn i potensielt kommersielt interessante prosjekter som trafikkportalen dit.no, trekker andre aktører seg unna. Få kan konkurrere med 5 mrd. kr i forsprang. Hva gjør det med mangfold? Med dette ønsker jeg å legge vekt på at kultur og mangfold ikke er ensbetydende med bevilgningene på statsbudsjettet, og ikke minst at bevilgninger faktisk kan være til hinder for mangfold. Jeg tror regjeringens prioriteringer i så måte er gode, men at de gjerne kunne vært tøffere. Det må berre vera innanfor kulturfeltet at ein statsråd kan gå opp på talarstolen og seia at budsjettet mitt ikkje er så viktig. Det er gode, men at de gjerne kunne vært tøffere. Det må berre vera innanfor kulturfeltet at ein statsråd kan gå opp på talarstolen og seia at budsjettet mitt ikkje er så viktig. Det er ingen justisminister som ville sagt det, ingen samferdselsminister ville sagt det, ingen forskingsminister ville sagt det. Denne frykta for offentlege midlar opplever eg som eit uttrykk for mistillit – mistillit til kulturlivet, mistillit til næringslivet. Det er mistillit til kulturlivet fordi det er eit uttrykk for at den blå-blå regjeringa trur at offentlege midlar gjer kulturlivet mindre kreativt, mindre fritt, mindre rabulistisk. Det er mistillit til næringslivet fordi det viser at den blå-blå regjeringa trur at næringslivet ikkje vil gje pengar eller samarbeida viss ikkje ein har særordningar for dei. Me kan f.eks. sjå på den undersøkinga Arts & Business har stått for, som er omtalt tidlegare i år. den undersøkinga Arts & Business har stått for, som er omtalt tidlegare i år. Ho viser at talet på bedrifter som sponsar og samarbeider med kulturlivet, har auka markant frå 2009 til 2013. Mange bedrifter bekreftar i undersøkinga òg at det er meir interessant å sponsa kulturlivet etter at regjeringa sidan 2005 har dobla kulturbudsjettet at me med dette budsjettet, og med denne regjeringa og dei planane dei signaliserer at dei har for framtida, ikkje berre har mista Kulturløftet, men at me òg har mista det heilskaplege arbeidet for kunst, kultur og kvalitet. Det verkar f.eks. som om den nye regjeringa trur at deltaking og arbeidet for deltaking står i motstrid til arbeidet for kvalitet. Tvert imot: Dei underbyggjer kvarandre. Eit eksempel på det er det er at dei fjernar kulturskuletimen. Det viser noko av det same, fordi me ser at ein del familiebakgrunnar ikkje er representerte i like stor grad som andre familiebakgrunnar blant kunstnarar og blant publikum. For å seia det på ein annan måte: Det er mange med bakgrunn som Widvey innanfor kulturlivet, men få med bakgrunnen min. Kulturskoletimen er eitt tiltak som saman med ei rekke andre tiltak kunne bidratt til at fleire ungar, med ulike bakgrunnar, fekk oppleva det fantastiske i kultur – og at dei kanskje sjølve kunne klart å tenkja den tanken at dei ønskjer å gå vidare, at dei òg ønskjer å verta fantastiske kulturutøvarar. Deltaking og kvalitet heng saman, for nettopp når ulike perspektiv, blikk og kulturuttrykk utfordrar kvarandre, klarer ein å skapa drivarar for kvalitet i kulturen. Dette blikket manglar den nye kulturpolitikken, han manglar heilskapen. Nå har ein gått tilbake til honnørorda «mangfold», «maktspredning» – utan innhald – og konsekvensane over tid kan verta ganske store.
Neste og siste taler på formiddagsmøtet er representanten Morten Stordalen, som

fra i år, og jeg utfordrer kulturministeren igjen til å si hvilke «innholdsmessige føringer» som ligger i dette tildelingsbrevet. På hvilken måte kommer Kulturrådet til å føle større frihet når de må foreta relativt store kutt ut fra sine poster på neste års budsjett? Dette er en helt konkret oppfordring, og jeg regner med at vi får et godt svar, hvor hun kan belegge hvor de innholdsmessige føringene egentlig ligger. Jeg har inntrykk av at dette kun er en vikarierende argumentasjon for at kulturministeren har tapt budsjettkampen. Hun leverer et kulturbudsjett som er høyere enn det har vært før, men retninga er feil. Jeg er jo glad for at vi har hatt mål om forskning, at vi har hatt mål om samferdsel, Nasjonal transportplan, at vi har hatt langtidsplan for Forsvaret. Det gjorde at vi i salen i går vedtok et forsvarsbudsjett som alle partiene var enig i veldig viktig! Men på to områder bruker regjeringa en annen argumentasjon – det er bistand til verdens fattige, og det er kultur. Der prioriterer de i stedet kvalitet, og jeg synes det er forakt for kunstdebatten å kamuflere kvalitetsbegrepet. Man bruker kun kvalitet innenfor kunsten som et vikarierende argument, når det egentlig ikke handler om det. Jeg synes det ville vært mye mer interessant hvis kulturministeren kunne sette i gang en diskusjon om kvalitet innenfor kunsten – det synes jeg er en veldig viktig diskusjon – men når det brukes kun som et vikarierende argument for å forklare kutt, framstår det bare som hult. Så vil jeg også si: Jeg synes også det er veldig viktig at andre departementer har satset på kultur, og i går måtte vi jo kutte – innenfor budsjett, vi måtte kutte for de kunstnerne som drar på internasjonale kulturfestivaler, vi måtte kutte på Music Norways rolle. Men katta kom vel ut av sekken under representanten Nordby Lundes innlegg. Hun kalte kunstnerne for subsidierte næringer, og det er vel her den ideologiske motsetninga ligger, at kunstnere blir betegnet som en del av de subsidierte næringene. Jeg ser på Frie kunstnere er helt avgjørende for samfunnsdebatten, og kvaliteten i vårt samfunn øker når vi får det kritiske blikket fra kunsten. Så her ligger det ideologiske motsetninger, hvor venstresida står for mer frihet. Neste og siste taler på formiddagsmøtet er representanten Morten Stordalen, som har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.
kom en påstand om at jeg hadde sagt fra talerstolen at kulturbygg ikke var viktig. Jeg tror ikke det var det jeg sa. Jeg sa at det handlet om budsjettene, om den énprosenten, og for å oppfylle den énprosenten ble det hentet fra sju forskjellige departementer og fra bl.a. en del vedlikehold av bygg – jeg sa ikke at det ikke var viktig. Når det gjelder det at jeg savnet engasjementet for forslag i innstillingen, så forteller representanten Aasrud at det er Stoltenberg-regjeringens opprinnelige budsjett som lå til grunn. Ja, det legger også denne regjeringen til forslag i innstillingen, så forteller representanten Aasrud at det er Stoltenberg-regjeringens opprinnelige budsjett som lå til grunn. Ja, det legger også denne regjeringen til grunn. Det er det som ligger til grunn, og det er en ny innstilling, og det er der jeg savnet engasjementet – som ikke sto i stil til debatten. Da avbryter Stortinget sine forhandlinger, og møtet settes på nytt kl. 15.30. Presidenten ønsker lykke til i Rådhuset!
Møtet er hevet.

Hansen